politisk har snudd så til dei grader at han no går inn for politikk som han tidlegare åtvara mot. I denne saka har ikkje regjeringa lytta til alle dei aktørane som meiner endringar vil ramme dei svakaste brukarane, og som ikkje ser nytte av endringa. Arbeidarpartiet støttar derfor representantforslaget og ber regjeringa stoppe kommersialisering av tiltak innan avklarings- og oppfølgingsområdet i Nav, for å sikre kompetansen, gje tryggare vilkår og stabilitet og best mogleg kvalitetsutvikling i tiltaka.
Neste taler er

ut på kontinentet, ut i Europa, der det i enkelte land er annenhver ungdom som er arbeidsledig, og der vi snakker om de tapte generasjoner. Der ser man til Norden og Norge, og man forsøker og strever etter å få til en ungdomsgaranti. Sosialdemokrater og moderate høyremedlemmer har gått sammen i EU-parlamentet for å sikre ungdom framtiden, for å sikre arbeidslinjen og for å sikre det som kameraten og representanten etter meg kommer til å snakke om, nemlig bærekraften i velferdsstatene. Arbeidslinjen er helt grunnleggende, men da må man også ha noe å tilby, og en ungdomsgaranti skal sikre nettopp det: sikre at man har arbeid, eller at man får utdanning. Dette er noe av det mest grunnleggende, for det er vi enige om, alle vi som sitter i denne salen: De er så ødeleggende, de hullene i CV-en, de oppholdene fra arbeid og de oppholdene fra skole. Men dette er en helhet som må henge sammen. Det betyr jo at man også må være villig til å prioritere lærebedrifter når det kommer til anbud til det offentlige. Da må man tørre å stille krav i anbudsprosessene – ikke bare si at prisen skal råde, for det er faktisk dyrere å drive med fagopplæring enn å drive med innleie av arbeidskraft. Man må tørre å stille krav når man skal når vi skal investere i sykehusene våre. Vi må tørre å rydde opp på de arbeidsplassene hvor vi har de store anbudene, og hvor vi skal bygge fellesskapet, sånn at vi får prioritert fagopplæring og ungdom, sånn at vi unngår å få tapte generasjoner. Det er å gå bakvendt inn i framtiden. Det må være mulig å løfte blikket og se til dem som har prøvd akkurat det samme, uten en ungdomsgaranti når de går inn i nedgangstider, se hvordan det har gått. De fraråder det, og de ser til Norge. La oss verne om ungdomsgarantien, la oss verne om arbeidslinjen og få ungdom i arbeid eller utdanning. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe om aktivitetsplikt. Jeg synes det er helt utrolig at representanten fra Sosialistisk Venstreparti sier det er viktig at ungdom har noe å gå til, og så er man imot aktivitetsplikt. Det henger ikke på greip, og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at partier kan være imot at tiltak som fungerer godt i flere kommuner, ikke skal gjelde for ungdom i alle kommuner. Så må jeg si til representanten Holen Bjørdal at man skal være litt forsiktig med å si at enkelte har seilt under falskt flagg, når vi under den debatten som har vært, f.eks. om barnetillegget, har sett hva Arbeiderpartiet sto for, og hva de nå påstår at de har stått for. Ellers var det spennende å høre representanten Trettebergstuens innlegg. Der fikk vi en fem minutters hyllest av et tiltak som i mange år har vist seg ikke å virke, nemlig ungdomsgarantien. Aller først: Vi deler synet på hva som er utfordrende. Vi har et for stort antall mennesker i yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant unge er vesentlig høyere enn blant befolkningen ellers, og det er ikke bærekraftig, verken når vi tenker på velferdsstatens bærekraft eller det å sørge for at behovet for arbeidskraft etterkommes. Her stopper enigheten. Vi er opptatt av å senke terskelen inn i arbeidslivet.

Verken i gode eller i vanskelige tider har ungdomsgarantien vist seg å være en suksess. Det virker som om det har blitt så mye prestisje i denne saken fra Arbeiderpartiet at de er blendet, og løsningen på problemet er å gjøre mer av det som ikke virker. Vi er opptatt av å løse de store oppgavene vi har i dag, slik at vi ruster Norge for framtiden. Da er ikke mer av det som ikke virker, en løsning for denne regjeringen. Vi må sørge for at flere får prøve seg i ordinært arbeid, fordi vi vet at det er slik realkompetansen styrkes, f.eks. ved å utvikle og utvide ordningen med lønnstilskudd. Representanten Trettebergstuen nevnte forskjeller forskjeller mellom de rød-grønne og de borgerlige. Her er en forskjell: I flere år har Arbeiderpartiet bevilget penger til noe som ikke virker. Vi senker terskelen til arbeidslivet. Jeg tok også ordet fordi jeg reagerte på representanten Karin

Vi er jo nettopp opptatt av at vi skal møte ungdommen i døra på Nav, og at de kan snu der og få et aktivitetstilbud i stedet for bare å motta penger. Torbjørn Røe Isaksen viste til det de gjorde i Åmli kommune i forrige periode, da man var på besøk der, og hvor de hadde et veldig vellykket prosjekt. Der var det ganske mange ungdommer som ikke var i arbeid eller på skole, og man innførte en aktivitetsplikt for at de fikk motta penger. Det hadde veldig gode resultater. resultater. Jeg må også si at jeg reagerer veldig negativt på denne negative holdningen man har til private, at det bare er store kommersielle aktører som bare skal tjene store penger. Nav driver med anbudskonkurranse også i dag. Jeg ber representanten fortelle hvilke store aktører som inndriver stor profitt på den arbeidsavklaring og arbeidsoppfølging vi har i Norge i dag. Jeg kjenner ingen. kjenner ingen. Og til representanten Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet: Mener ikke Arbeiderpartiet at vi skal følge det regelverket vi har for anskaffelser i Norge? En juridisk gjennomgang har vist at vi ikke gjør det når det gjelder en god del av de tjenestene som Nav kjøper i dag, fordi det ikke er konkurranse. Jeg må lure på om representanten

Så det er helt motsatt av det representanten fra Høyre nå sier. Det er SV som foreslår at disse ungdommene skal få rett til tiltak. I dag går de og venter. Det er mange kommuner som har vilkår for sosialhjelp i dag. Det har SV vært helt for. De som gjør det med vett og forstand, lykkes. De som gjør dette som en tvang, uten å ha godt innhold i tiltakene, mislykkes. Og regjeringen har lagt null kroner på bordet i kommuneøkonomien for at kommunene skal kunne lage slike gode opplegg. For eksempel trengs det arbeidsledelse. eksempel trengs det arbeidsledelse. For eksempel trengs det noen som kan drive den kvalifiseringen, den oppfølgingen på helse eller den sosialfaglige oppfølgingen som mange av disse ungdommene trenger. Men i Høyre og Fremskrittspartiets hode er dette tydeligvis gratis, det er vel noen som skal gjøre disse jobbene gratis for dem, og disse ungdommene skal da få et tilbud som det ikke er kvalitet i. SV prioriterer dette så høyt at vi velger å si at disse ungdommene skal ha en rett. Da kan man gi dem et tilbud den første dagen de kommer og man får avklart hva det er de trenger, og så er de i gang med en positiv aktivitet som kanskje kan føre til at man får lyst til å fortsette en utdanning, eller at man finner ut hvilket yrke man vil ha, og kan få prøve seg i det. Problemet i dag er jo at disse ungdommene ikke får oppfølging. Det kunne være morsomt å spørre hvordan Høyre-styrte Oslo, f.eks., har gjort dette. Har de hatt oppfølging med gode vilkår for dem som får sosialhjelp? Det har de slett ikke hatt. Noen har fått det, men ikke alle, for det koster penger. Hvis vi virkelig vil dette – SV vil det, for vi vet at det er viktig at ungdom får aktivitet, det er derfor vi har fremmet dette forslaget – er det helt meningsløst at de som nå mener at alle ungdommer skal ha et tilbud, sier nei til at det skal være penger til disse tilbudene, at dette skal være et slags gratisarbeid, som jeg regner med at noen frivillige kanskje skal gjøre. Jeg vet ikke hva innholdet i dette er i det hele tatt, men jeg kan si at den typen tvangsarbeid har man prøvd i Norge før. Det funket ikke særlig bra. Det er ingen som kommer til å klare seg bedre av å bli ydmyket. Det er veldig mange flere som kommer til å klare seg bedre hvis de får en real sjanse. Jeg skal ikke bidra til å forlenge debatten, men det er

Jeg vil bare minne om innstillinga til uførereformen, som ble vedtatt i desember 2011. Der står det svart på hvitt: «Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til at dagens behovsprøvde barnetillegg videreføres.» Fremskrittspartiets forslag var: «Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringer slik at samlet uføretrygd, inkludert barnetillegg,

fremme forslag om en ny ordning for barnetillegg for både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, med sikte på en ordning som i større grad sikrer at det lønner seg å jobbe.» Det stemte vi heller ikke for. Høyre og Fremskrittspartiet sto alene om sitt standpunkt i den saken i forrige periode – som de gjør det i denne perioden. Så blir det forsøkt gjort et poeng av hva som har vært diskutert.

etter at kommunen hadde henvist ham til Kirkens Bymisjon. Alternativet hans hadde i tre år vært å bo i kjelleren hos mammaen og pappaen sin og spille dataspill. Han sa: Jeg skulle ønske at noen tidligere hadde tatt tak i meg, sagt at sånn kunne jeg ikke fortsette lenger, og fått meg over på et tiltak. Det er ikke korrekt framstilt at fordi det blir en aktivitetsplikt,

masse møter, på masse oppringninger, på masse tiltak. De går på en hel haug med ulike tiltak som ikke passer for dem. Da er det mye bedre, sammen med kommunen, å finne praksisplasser. De kan være med som nr. 2 på middagsutlevering, de kan være med som nr. 2 på hjemmesykepleie hvis man er utrygg der, de kan være med en vaktmester, de kan være med i barnehager, de kan være med på en rekke ting for å få arbeidspraksis. Mye av dette vil allerede være tilrettelagt på enkelte av arbeidsplassene. SVs modell gir istedenfor som ryggmargsrefleks å ha flere stillinger, hele poenget er at de er der allerede. Det er på tide å levere resultater for å få dem tilbake igjen til arbeidslivet. Representanten Karin Andersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Arve Kambe beskriver noen av de tiltakene som fungerer under dagens modell. Det fungerer bra der de har ressurser til det og får det til, men det fungerer ikke uten oppfølging.

altfor mye å gjøre. De har altfor mange de skal følge opp. Det betyr at man må ha noen som kan drive god kartlegging og god oppfølging, og at en del av dem som nå trenger et godt tiltak å gå til, også trenger at det ligger noen penger i potten som gjør at man kan sette i gang de gode tiltakene som det ikke finnes penger til i dag i veldig mange kommuner. Bare veldig kort: Når det blir sagt at man har tillagt seg en debatteknikk som er

på det. Representanten Lise Christoffersen refererte ikke – så vidt jeg kunne høre – hele merknaden som var i behandlingen av uførereformen, nemlig også at de rød-grønne partiene mente man skulle komme tilbake til barnetillegget. Diskusjonen var altså ikke å anse som ferdig. Når man i tillegg har sett representanten Karin Andersens uttalelser om de diskusjonene som var i den forrige perioden om akkurat barnetillegget, er det veldig vanskelig å tro at Arbeiderpartiet alltid har ment det samme om barnetillegget som det de gjør nå. Nå skal Arbeiderpartiet presentere denne debatten som om den er svart-hvit, som om de alltid har ment det samme. Det står rett og slett ikke til troende. Jeg synes vel innlegget til

Det er jo nettopp det denne regjeringen ønsker å gjøre noe med. I dag er det sånn at man har en mulighet, dersom kommunen vil det, til å innføre aktivitetsplikt. Nå vil Stortinget få muligheten til å vedta at alle kommuner skal tilby det. Det vil gi resultater. Da vil vi ikke i framtiden finne et Nav-kontor som ikke har tiltak til

de: Gi oss en sanksjonsmulighet dersom man ikke møter opp, og dersom man nekter å bidra. For i dag er det jo sånn at man møter ikke opp. Mer enn hver tredje møter ikke opp til en time som en saksbehandler har brukt tid på å planlegge, og sagt nei til andre som ville komme den dagen, fordi noen andre skulle komme – og så kommer de ikke. Det tar tid. Det er ressurskrevende. Det er ikke bra. bra. Da tenker jeg at vi – med den samlede ressursbruken – med denne regjeringen skal få til flere resultater enn de rød-grønne klarte på åtte år, for vår oppskrift er klare krav, klare mål. Det trengs innsats, ikke nødvendigvis flere stillinger. Hele poenget er jo at denne tiltakspakken vil føre til færre sosialklienter.

som Heggelund etterlyser: «Regjeringen har derfor åpnet for at den vil se på innretningen på barnetillegget, blant annet i lys av innspillene fra Velferds- og migrasjonsutvalget og Fordelingsutvalget.» Nå sitter jo ikke vi i regjering lenger, så den vurderinga har vi gjort i gruppa. Vi er tilbake her nå i forbindelse med budsjettet, vi har vurdert Hva noen måtte ha sagt og ment i en forberedende debatt, ja, det kan jo være så mangt. Sånn er det vel i alle partier, at noen har ett syn og andre har et annet syn, og så er det flertallet som til slutt avgjør hva som blir partiets politikk, og sånn er det med Arbeiderpartiet i denne saken. Så får Stefan Heggelund tro på det så mye han vil, men i Arbeiderpartiet er det i hvert fall sånn at det er gruppa som bestemmer hva som er Arbeiderpartiets standpunkt.
Da skal representanten Per Olaf Lundteigen

Tror representanten Kambe at det er sånn at hvis Nav sanksjonerer overfor ungdommer som har havnet utenfor, så hjelper dette disse ungdommene, eller tror han at det kan trekke dem enda lenger ned i gjørma? Jeg tror det er veldig sammensatt hvilke problemer disse ungdommene har, og derfor tror jeg det er helt avgjørende å møte dem individuelt med tiltak og ikke bare innføre en plikt om å møte opp til tvangsarbeid, for det tror jeg vil bidra til at veldig mange av de ungdommene bare vil føle seg enda
Da skal representanten Per Olaf Lundteigen
demotivert. :Det snakkes her om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som om alle er like. Jeg syns det er veldig sterkt å høre det. Den som kjenner noen som er sosialhjelpsmottaker, vet at det er veldig forskjell, og at mange som er i den situasjonen, har svært vanskelig for å delta i nesten enhver aktivitet. Ellers snakkes det om individuelle løsninger. Jeg trodde det også skulle være individuelle løsninger når det gjelder hva som er best for dem som er i den situasjonen. Det at ungdom som sitter på datarommet, får krav om aktivitetsplikt for å få sosialhjelp, skulle bare mangle. Det er helt logisk. Og jeg regner med at alle her, inklusiv Karin Andersen fra SV, er helt enig i det, men det krever en individuell vurdering. Det som var den rød-grønne regjeringas tiltak på dette området, var kvalifiseringsprogrammet, slik at en ikke skulle gå på sosialhjelp hele tida. En skulle få hjelp, bistand, for å avklare hva som var ens arbeidsevne. Var det slik at det var uføretrygd som var saken, ja vel, så skulle det avklares, og en skulle få uføretrygd, slik at en slapp å gå på sosialhjelp. Hadde en arbeidsevne, skulle en bistås inn i arbeid. Da vil en jo for manges vedkommende komme i den situasjonen at en har en delvis arbeidsevne, og da står vi i det som har vært gjengangeren i denne debatten, nemlig hvordan vi legger til rette for at folk som har delvis arbeidsevne, skal få en betalt jobb, med sin arbeidsevne. Jeg syns det er for enkelt å snakke om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som om alle er like. Jeg syns det er ganske uverdig når vi vet hvor mange sosialhjelpsmottakere som sliter, og hvor det vil være et helt feilaktig tiltak å kreve det som en allmenn ordning. Derimot å kreve det for en ungdom som sitter på gutterommet, er helt korrekt, og det har Senterpartiets fulle støtte.
Da skal representanten Per Olaf Lundteigen få anledning til å gjengjelde den takken. Han har også hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, Mathisen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg måtte ta ordet etter Lundteigens innlegg bare for å oppklare en misforståelse. Det er helt klart at vi som går inn for å innføre en aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, mener at det er forskjell på folk. Det er de som er i stand til å gjøre en jobb, som vi mener skal ha en plikt til å arbeide, ikke de som har store helseutfordringer, og som ikke er i stand til det.

Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 2 timer, og at taletiden fordeles slik på gruppene: Arbeiderpartiet 30 minutter, Høyre 30 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Venstre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 10 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra hovedtalerne fra hver partigruppe og fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen. Videre blir det foreslått at de som tegner seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. I dag skal vi vedta et meget godt helsebudsjett, som

Budsjetthøringen var den mest positive jeg kan huske gjennom mine år i helsekomiteen. Men opposisjonen er ikke fornøyd. Kjersti Toppe og Senterpartiet har uke etter uke det siste året pekt på det de mener er feil og mangler innen helse, og jeg tror hun nå har vært innom absolutt alle de områder som er mulig å finne. Rett før helgen gikk kritikken på psykisk helse i kommunene, og at det nå måtte komme en Kritikk av egen politikk er beundringsverdig, og jeg deler Toppes bekymring. Derfor har regjeringen allerede satt i gang arbeidet med en opptrappingsplan for rus og psykisk helse, og allerede i forrige budsjett gjeninnførte vi øremerkede midler til dette. Dette videreføres med en økning i 2015. Dette budsjettet fortsetter også satsingen på kommunepsykologer med en videreføring av tilskudd.

Frivilligheten styrkes også i år. Disse gjør et uvurderlig arbeid og er for veldig mange den eneste tryggheten de har i sin hverdag. Lørdag var jeg med og feiret to år med rusfrihet for en jente på 24 år. Hennes befatning med rus startet da hun var ni år. Gjennom barnevernets system har hun måttet flytte 18 ganger. Hun bruker nå i sin hverdag frivilligheten mye. På lørdag hjalp Retretten henne å lage en fin markering av hennes toårsdag. Uten egen bolig hvor det er plass til å invitere mange mennesker, og uten familie å dele gleden med blir frivilligheten en fantastisk erstatning. Frivillige hos Retretten hadde pyntet og dekket til nydelig langbord, og vi spiste god mat som gjestene hadde med seg. Flere av gjestene bidro med underholdning, Men det var også andre ting som skjedde på denne festen, som rørte mitt hjerte. Jenta hadde invitert ansatte fra stedet hvor hun hadde vært inne til langtidsbehandling. To av disse tok faktisk den lange turen for å dele denne dagen med jenta. Videre har hun på sitt DPS brukt musikkterapi i sin tilfriskning. Også hennes musikkterapeut møtte opp, med sitt lydanlegg og sin gitar. Han kunne fortelle at hans sjef hadde sett litt rart på ham når han spurte om det var greit at han dro på fest med en av sine pasienter. Festen nådde sitt høydepunkt da han spilte og jenta sang. Jeg forventer ikke at alle ansatte skal engasjere seg så personlig i sitt arbeid, men opplevelsen fra lørdag viste meg hvor mange fantastiske mennesker som faktisk jobber innenfor helsetjenesten, og hvor mye det betyr når man yter det lille ekstra. Denne dagen minnet meg om hvor bra ting kan bli når man forener det offentlige, de private og de ideelle. Mitt møte med jentas musikkterapeut og deres opptreden gjorde meg ekstra stolt over at vi i dette budsjettet faktisk har løftet viktigheten av å tenke nytt – ta vare på det som er bra, samtidig som man utvikler tjenesten. Musikk virker som terapi på alle mennesker, brukt på riktig måte kan den til og med erstatte medisiner. Dette budsjettet handler i høyeste grad om å sette pasienten i sentrum, tenke nytt og øke kvaliteten. 15,4 mill. kr bevilges for å legge til rette for at kommunene kan starte opp kompetansetiltak, samt komme i gang med nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov. Også Audun Lysbakken og SV har hatt mange utspill i media om mangler i helsevesenet. Nå, sist ut, ville SV forby at eldre syke mennesker forby at eldre syke mennesker skulle dele dobbeltrom på sykehjem mot sin vilje. Til ANB sier Lysbakken at det må være en fallitterklæring og et mageplask for et parti som har lovet en verdig og god eldreomsorg, at kommunene tjener på å tvinge folk på dobbeltrom. Lysbakken er tydeligvis ikke klar over at det alltid har vært veldig økonomisk lønnsomt å fortette, som enkelte kommuner har valgt å kalle denne tvangen. Det er nettopp på grunn av dette at vi reduserer denne lønnsomheten betraktelig. Det var altså SVs politikk som gjorde det økonomisk eksklusivt å drifte med økt bruk av dobbeltrom. Men det som er ille med SVs forslag, er at det kan synes som om SV ikke har forstått at vi mangler sykehjemsplasser i Norge. Jeg grøsser ved tanken på hvilke konsekvenser et slikt forbud kan få for enkeltmennesker som er helt avhengig av heldøgns pleie og omsorg. Man har ikke ønsket å finne ut hvor mange plasser som mangler, men at det mangler veldig mange, trodde jeg vi var enige om. Også dette har Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tatt tak i. Tidligere hadde kommunene ikke lov til å føre ventelister. Dette har vi opphevet og snudd på hodet. Nå krever vi å vite hvor mange som venter. Først da kan vi få skikkelig innsyn i det reelle behovet og planlegge realistisk ut fra det. Vi har økt tilskuddene betydelig, og dette har allerede gitt resultater. Vi opplever nå at det er søkt om tilskudd på 500 flere plasser gjennom årets første ti måneder sammenlignet med hele fjoråret. Dette er positivt, særlig med tanke på at det ble mindre enn 600 nye plasser gjennom åtte år. Dette viser at nivået på tilskuddet betyr noe. 2 500 nye søknader legges det opp til i Regjeringen har derfor påbegynt arbeidet med tanke på å innføre en rettighetsfesting av heldøgns pleie og omsorg. Fremskrittspartiet har i årevis pekt på at det blir feil når storting og regjering lover bedre eldreomsorg, så lenge dette er kommunens ansvar. Fremskrittspartiet har vært alene om å mene at staten skal ta et større ansvar. Men nå er vi i gang med å gjøre nettopp det. Økte midler til kompetanseheving og tilskudd til musikkterapi og ledelsesutvikling er foreslått med statlige føringer og midler. Vi vil ta et større ansvar for å hjelpe kommunene på veien. Budsjettet inneholder 30 mill. kr til å utvikle et samlet helseregister for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette vil gi mer kunnskap og åpenhet om kvaliteten på omsorgstjenesten. I tillegg er arbeidet med Demensplan 2020 i gang. Pasienter og pårørende skal delta aktivt i dette arbeidet. Men kanskje enda viktigere er vårt prøveprosjekt med enkeltkommuner som skal få være med og teste ut statlig finansiering av hele omsorgen. Det gleder meg at så mange kommuner allerede før de vet hva dette vil innebære, har gitt beskjed om at de ønsker å være med. Torgeir Micaelsen og Arbeiderpartiet har vært litt mer forsiktig i sin kritikk av helsetjenestene. De har forstått at kritikken tross alt faller tilbake på dem selv. Micaelsen har i flere debatter erkjent at de ikke gjorde nok, og har innsett at de ikke kom i mål. Arbeiderpartiet har hatt hovedfokus på sykehusene. Det er bra, for her er det mye å ta tak i. Vi har nå klart å legge fram to sykehusbudsjett som samlet legger til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen, sammenlignet med det de rød-grønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Ventetidene skal ned, og antall personer som venter, skal reduseres, samtidig som det fokuseres mer på kvalitet, sikkerhet og valgfrihet. Hovedgrepet kommer med den nasjonale helse- og sykehusplanen og med påfølgende nedlegging av helseregionene. Men i mellomtiden gjøres det flere grep: en rekordvekst i pasientbehandling, innføring av fritt behandlingsvalg, økt ISF-andel, oppheving av behandlingstaket, gjeninnføring av «den gylne regel», regel», gjøre det enklere og rimeligere å inngå leieavtaler både for bygg og utstyr og avbyråkratisering. Arbeidet vi startet opp for inneværende år, har allerede vist resultater. Ved utgangen av andre tertial var det 10 300 færre som ventet på en innkalling til et sykehus enn på samme tid i fjor. På denne måten kan vi motvirke det todelte helsevesenet som vi har opplevd de siste årene. I 2005 sto et flertall bak å øke bagatellgrensen for forhåndsgodkjent refusjon av legemidler. Dette ble ikke fulgt opp av forrige regjering, og grensen på 5 mill. kr har således stått stille i mange år. Dette har vært et stort hinder for å få på plass flere nye og innovative legemidler til pasientenes beste. Nå kan mange pasientgrupper juble. Regjeringen femdobler i dette budsjettet bagatellgrensen, som dermed øker fra 5 mill. kr til Fremskrittspartiet har gjennom flere år sammen med Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti stått alene om å løfte temaet omsorg og lindrende behandling ved livets slutt samt oppfølging av alvorlig syke og døende barn. Det er derfor med stor glede at disse partiene fremmer dette særskilt nå, selv om vi venter på en egen rapport om temaet. I dette budsjettet har disse partier foreslått en del slike tiltak. annet har vi foreslått midler til Gatehospitalet med tanke på opprettelse av tre palliative plasser til behandling av rusavhengige. Imidlertid har beløpet falt ut av teksten. Det foreslås derfor konkret at 2,5 mill. kr øremerkede midler går til dette tiltaket under kap. 765 post 72.

Også senere i juli 2010 var representanten Kari Kjønaas Kjos på banen og mente igjen at egenandeler var skatt på sykdom, og at høye egenandeler ville føre til mer bruk av private tjenester og økt klasseskille. Den 8. august 2013 – nok en gang fra Kjønaas Kjos: «Uaktuelt med økte egenandeler. Frp avviser Høyres ønske om økte egenandeler I fjorårets tillegg til statsbudsjettet økte Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen bagatellgrensen fra 100 til 200 kr – og sparte 37 mill. kr. Eller som representanten fra Fremskrittspartiet tidligere omtalte det: De økte skatten på sykdom. Det er også verdt å merke seg at Fremskrittspartiet prioriterte å kutte i bensinavgiften framfor å kutte i egenandelene i årets statsbudsjett. Mitt spørsmål blir derfor: Har skatt på sykdom blitt akseptabelt for

Når det gjelder akkurat den tilbakebetalingen, så handler det mer om et enormt stort byråkrati, hvor veldig mange årsverk gikk med til å sende ut små beløp til mennesker, som på slutten av året hadde nådd et tak. I verste fall er det noen som ikke får igjen 199 kr. For noen andre vil det handle om at de ikke får igjen 40 kr. Så det er ikke en økning på 200 kr for alle. alle. Representanten Kjønaas Kjos har vært – og er – veldig opptatt av fritt sykehusvalg, og rusbehandling har hun også et stort, stort hjerte for. Hvordan vil Kjønaas Kjos og Fremskrittspartiet sikre at disse to tingene går to tingene går sammen, at det går an å kombinere dem, slik at ikke rusmisbrukeren blir taperen også i fritt behandlingsvalg? I dag vet den rusavhengige ganske mye om hva som finnes av tilbud der ute. De vet kanskje ikke alltid nok til selv å velge det som er riktig for dem, men jeg mener det er svært viktig at en rusavhengig – i samråd med fastlege og ruskonsulent – er med på å være sjef i sitt eget liv, å styre hvordan veien ut skal være, for det er så utrolig viktig at de tror på at de kan klare det. Og når de bare blir tildelt en plass som de egentlig ikke ønsker seg til, så gir det et altfor dårlig utgangspunkt. også er forskjellige, som deg og meg, de trenger forskjellige tilbud. Det er et mangfold der ute, og jeg ønsker å gi dem muligheten til å få det som er Takk for å ha vorte nemnd med namn i innlegget. Det tar eg som eg har sagt noko rett. Eg har spurt helseministeren før om kvifor ikkje regjeringa vil innføra ein opptrappingsplan for psykisk helse i kommunane. kommunane. Då har eg fått til svar at det skal ikkje regjeringa gjera, dei skal ha ein opptrappingsplan for rusfeltet og ein opptrappingsplan for rehabilitering. Så syntest eg å høyra at representanten Kari Kjønaas Kjos sa opptrappingsplan for rusfeltet og psykisk helse i kommunen. Viss det skjer, synest eg ikkje det er nokon grunn til å skjula det i innstillinga. Eg vil gi Kari Kjønaas Kjos høve til å utdjupa det nye forslaget, for det vil i tilfelle Senterpartiet Rus og psykisk helse henger veldig tett sammen. I budsjettet ser man at vi nå har slått sammen de to kapitlene til ett felles kapittel. Vi sier også når vi bevilger ekstra midler til kommunene, at de skal gå til rusfeltet og psykisk helse. Når vi lager en opptrappingsplan for rusfeltet, er nødvendigvis psykisk helse en ganske stor del av det,

håp. At helse er så viktig for så mange, gjør at jeg mener at vi må tenke oss enda nøyere om når vi stiller følgende spørsmål: Hva er de viktigste oppgavene vi som samfunn nå står overfor? Hva skal vi velge å satse på? Hva er det viktigste for oss? Før jeg kommer til svarene på spørsmålene skal jeg skynde meg å si at jeg mener at det er veldig mye bra i helsebudsjettet for neste år. I motsetning til komitélederen, som synes å tro at veldig mye var svart før Fremskrittspartiet og Høyre kom i regjering, og at nå er helsetjenesten kommet til himmelen, mener jeg at jeg har all anledning til å skryte av det som er bra. Heldigvis er det veldig mye som forener oss, og mange forslag har også derfor fått Arbeiderpartiets fulle støtte i innstillingen. Men på flere og til dels avgjørende områder må vi dessverre konstatere at det ikke er sammenheng mellom hva Høyre og Fremskrittspartiet lovte før valget, og det som nå leveres i helsebudsjettet for neste år. Jeg skal peke på tre særskilte områder der Arbeiderpartiet og regjeringen skiller lag. Forskjell nr. 1 handler om at vi i Arbeiderpartiet mener at vi ikke bare skal prate om folkehelse, men at vi også skal satse på folkehelse. Det viktigste er som kjent det som gjøres før folk blir syke, og at vi setter inn tiltak der folk lever livet sitt. Å investere i gode barnehager, skoler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, nærmiljø og eldrehelse er derfor investeringer i vår framtidige helse, og alt dette skjer i kommunene. En av de viktigste helseinvesteringene i Arbeiderpartiets alternative opplegg er derfor å styrke kommunenes frie midler med 2,3 mrd. kr utover regjeringens opplegg. I tillegg kommer kompensasjon for manglende skatteinntekter. Det gir rom for å satse på forebygging gjennom trygge og gode kommunale helse- og omsorgstjenester som når alle. I tillegg tar vi både vår egen og andres kunnskap på alvor. Vi har lagt fram en egen folkehelsepakke i budsjettet. Der satser vi 200 millionerøremerkede kroner på skolehelsetjenesten, fordi vi vet at når vi tidligere har bevilget penger til skolehelsetjenesten, har ikke alle pengene nådd fram. Det har vi tatt konsekvensen av – nå øremerker vi. Vi lærer av vår egen erfaring. Det betyr ikke at ting var svart før, men jeg mener at det er et adelsmerke ved politikere at vi av og til tør stoppe opp og se om det vi nå foreslår, fungerer, eller om vi skal gjøre noe nytt. Det gjør vi på dette området. Vi gjeninnfører, i vårt forslag, ordningen med frukt og grønt i ungdomsskolen. Vi mente det før, men vi er enda tryggere nå, for nå har vi entydig forskning som viser at skolefrukt har positive helseeffekter, og vi tar forskningen og kunnskapen på alvor. Forskjell nr. 2: Vi setter kommunen i stand til å ivareta de oppgavene som vi alle sammen her er enige om. Over hele landet lages det nå kommunebudsjetter, som har direkte følger for landets pleietrengende, unge og eldre, og vi er bekymret for de rapportene som kommer. Kombinasjonen av regjeringens moderate inntektsopplegg for neste år, og at de ikke er villige til

mens man altså for under ett år siden var villig til å sanere bompengegjeld, hvor man har akkurat det samme systemet. Da var det viktigere enn kommunenes manglende skatteinntekter. Det mener ikke vi, og derfor legger vi som sagt 2,3 mrd. kr mer på bordet til kommunene og kompenserer skattesvikten i kommunene. Så til forskjell nr. 3. Det handler om sykehusene våre og viljen og evnen til å prioritere dem – ikke bare prate om dem: La oss gå kort tilbake i historien. 13. august 2013 la Arbeiderpartiet fram en plan som innebar et investeringsløft på 12 mrd. kr mer til sykehusene i stortingsperioden 2013–2017. Da sa bl.a. Legeforeningen og Sykepleierforbundet: «Dette viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten.» Bent Høie sa derimot til NTB: «Det er ikke noe nytt

at det sågar skulle bli større milliardvekst til sykehusene med Høyre enn med Arbeiderpartiet. Så spoler vi ett år fram i tid, til tidligere i høst, den 14. oktober: Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett og bevilger 2 mrd. kr – ikke de nødvendige 3 mrd. kr, for å nå Arbeiderpartiets valgløfte knyttet til sykehusbudsjettet. La meg sitere Legeforeningen da de kommenterte dette: helse ikke er prioritert i regjeringens budsjett …». Psykologforeningen: «Tamt budsjett for psykisk helse.» Sykehusbudsjettet er ikke svakt fordi regjeringen mangler penger. Norge har mye penger, og regjeringen har et rekordstort budsjett og svært høy oljepengebruk, men regjeringen prioriterer pengene feil. Jeg vil gjenta: Det er en alvorlig feilprioritering når regjeringen klarer å komme på ideen om å foreslå skattekutt til den rikeste 1 pst. av Norges befolkning – i samme størrelsesorden som veksten i alle sykehusbudsjettene i Norge neste år. år. Jeg mener vi kunne brukt disse pengene på så mye viktigere ting, f.eks. på å innfri Høyre-løftene for sykehusene, som de ga uken etter at Arbeiderpartiet ga de samme løftene. Vi har tenkt å følge opp det vi lovte: Når det gjelder folkehelse, har vi lagt en folkehelsepakke i budsjettet. Vi vil følge opp kommunene, og jeg er den første til å innrømme at våre virkemidler i den sektoren har ikke vært sterke nok, derfor er vi i full gang med å diskutere hvordan vi kan forsterke virkemidlene for å få fart på byggingen av eldreomsorg i Norge. Men vi kommer ikke unna at vi er nødt til å ha nok frie inntekter til kommunene hvis vi i det hele tatt skal nå disse målene, og derfor legger vi et milliardbeløp på toppen der og følger opp, i vårt alternative budsjett, vår investeringsplan for sykehusene. Vi legger i vårt alternative budsjett om lag 1,2 mrd. kr mer på bordet til satsinger i sykehusene. De pengene skal gå til en egen kvalitetspakke til sykehus nytt medisinskteknisk utstyr nye behandlingsmetoder kveldsåpne poliklinikker pilotprosjekter om ventetidsreduksjon øremerkede midler til medisinsk forskning mer til psykisk helse og rusbehandling tryggere kreftbehandling flere turnusplasser for nyutdannede leger Med det er vi i rute for å oppfylle det vi lovte. Det samme kan vi dessverre ikke si om Høyre. Jeg innser at det av og til er en enkel oppgave for regjeringen når de må forklare seg, for de har tross alt lagt på bordet et budsjett som innebærer en 2 mrd. kroners økning til sykehusene. Det er jo ikke kutt, sier noen. Selvfølgelig er det ikke det. Men det må ses i sammenheng med at vi blir stadig flere eldre, vi blir flere, vi kan behandle stadig nye tilstander, ny teknologi gir nye investeringsbehov, og mange legemidler blir dyrere. Alt i alt krever dette økte ressurser. Man trenger ikke gå til Arbeiderpartiet i Stortinget for å få bekreftet at det jeg nå sier, er riktig. Man kan gå til en rekke sykehusstyrer, ansatte og andre som nå rapporterer om at budsjettet som regjeringen har lagt fram, langt på vei har gått under radaren så langt, på grunn av mange andre vanskelige saker som har dominert i offentligheten. offentligheten. Mange steder rapporteres det nå om – på grunn av et svakt sykehusbudsjett, kombinert med effektiviseringskrav og en del politiske føringer – at dette vil føre til kutt og ikke satsing i budsjettene. Jeg mener at vi, gjennom vårt alternative opplegg, har lagt fram et helhetlig helsebudsjett, som jeg er stolt av. Det betyr ikke at det ikke vil være mangler også ved Arbeiderpartiets opplegg for neste år. Det skulle tatt seg ut. Selvfølgelig vil det være det, men fordi vi tør å si nei til regjeringens hovedsatsing, som dessverre er å gi mest skattelette til dem som har mest fra før, har vi råd til et investeringsløft som følger opp de løftene vi ga før valget. Jeg tar med det opp forslagene våre i sakene nr. 10 og

I dag er det mange som venter på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er personer som har livet på vent. I Norge er det faktisk over 10 000 som setter opiatinjeksjoner. I Buskerud fylke, i Røyken, er det en institusjon, stiftelsen Manifestsenteret, med 74 kompetente ansatte. Inntaksansvarlig der er ganske bekymret, for det er pasienter som har stått i kø i over ett år. Spørsmålet mitt er til Arbeiderpartiet, som er skeptisk til fritt behandlingsvalg, kaller det et eksperiment og sier at pasienter blir skadelidende. Hvordan kan de si at pasienter blir skadelidende ved å komme raskere i behandling og at de selv velger behandlingssted, og hvilke løsninger har Arbeiderpartiet for å få flere rusavhengige inn i behandling? Hvilke løsninger har vi? Vi foreslår at vi skal gjøre mer av det vi vet fungerer, og det som regjeringen selv beskriver er den mest effektive måten vi kan hjelpe folk med rusavhengighet på. Hvis vi ønsker å øke behandlingskapasiteten for dem – det er jeg enig i – så Der får vi mer behandling for pengene, og vi sikrer at vi slipper å bygge opp et omfattende byråkrati, godkjenningsordning, styring, prisstrukturer – alt det regjeringen bruker side opp og side ned i høringsbrevet til selv å problematisere. Selv mener jeg i tillegg at det er mye ugjort i norsk rusomsorg, ikke bare på kapasitet, men også på kvalitet og på tenkningen rundt at vi må i mye større grad sette inn innsats rundt et helt menneske, og ikke at det bare skal være å komme inn til behandling og så faller man fort tilbake til det man holdt på med før. Jeg mener at her er det mange partier – inkludert mitt eget – som bør tenke nytt, og jeg oppfordrer regjeringen og regjeringspartiene til å gjøre det, istedenfor å gå seg vill i et byråkratisk prestisjeprosjekt som jeg dessverre ikke har noe særlig tro på. Representanten

Det er punkt 1. Punkt 2: Den rød-grønne regjeringen foreslo å fjerne særfradraget for dem med særlig høye sykdomsutgifter. Denne regjeringen gjeninnførte det. Hva er bakgrunnen for at han mente at det var en god idé å la de aller sykeste være dem som måtte bli ekstra rammet? For å ta det siste først: Det var fordi et fradrag handler om at det er bare dem som er i jobb, som får glede av en slik type fradrag. Hadde man ikke jobb og

Vi hadde tall – det er for øvrig de samme tallene som jeg nå hører at komitélederen bruker – på tilsagn som er gitt til kommuner som i framtiden ønsker å bygge sykehjem og heldøgns bemannede omsorgsboliger. Jeg vil sterkt advare regjeringspartiene mot nå å gå rundt og tenke at bare tilsagnene ser bra ut, blir det bygd flere sykehjemsplasser i Norge. Hvis det var tilfellet, lå vi meget godt an. Men det viste seg at det var en eller annen type propp et eller annet sted, der kommunene ikke torde å ta det neste steget og investere. Det har vi lært av, og vi diskuterer nå internt hvordan vi skal møte det fram mot neste

til ekstra åpning av kveldspoliklinikker, noe som også blir brukt i mange sykehus. Mine spørsmål til Arbeiderpartiet er to. Det ene er: Hvorfor brukte ikke Arbeiderpartiet anledningen da de hadde de åtte årene på å bruke mer på kveldsåpne poliklinikker enn det som ble gjort? Punkt to: Tenker Arbeiderpartiet at det vil trenges både flere sykepleiere, hjelpepleiere, vaskehjelp, vedlikehold av utstyr, sekretærer ikke minst, både arealer og overvåkingsmulighet for de pasientene som blir behandlet på kveldspoliklinikk, og er 140 mill. kr nok til det? Ja, det vil være behov for alt det representanten peker på, og nei, det vil ikke være nok til å åpne alle sykehus som ønsker det. Derfor sier vi heller ikke det. Det skal være til utprøving. Det skal gå til at flere skal forsøke dette enn det som gjøres i dag.

Jeg pleier å si at det egentlig ville vært litt tullete å stille til valg hvis man mente helt oppriktig at etter åtte år ved makten så hadde man ikke noe mer ugjort i dette landet, sånn at man bare kunne overlate den til noen andre. Sånn vil ikke jeg ha det, og jeg tror heller ikke egentlig representanten Bollestad mener det. Jeg tror jeg skal la det være med det, og si at jeg kan stille opp når som helst og holde et seminar om resultater av rød-grønn politikk. Nå vil jeg se framover, og da er det disse behovene jeg har adressert, som jeg mener er viktige. Det seminaret må nok bli en annen gang, for nå er tiden ute!

for psykisk syke, for rusavhengige og i rehabilitering og folkehelse. I motsetning til den forrige regjeringen setter vi pasienten og mennesket foran systemet og lar det prege alt arbeid med utvikling og endring av helsetjenesten. Samtidig som regjeringen er i gang med viktige pasientrettede reformer, behandler vi helsebudsjettet for 2015, et budsjett med stor vekst på mange områder sammenlignet med tidligere år. Regjeringen viser med årets helsebudsjett at trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det, skal være en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Budsjettet legger til rette for at vi kan skape pasientens helsetjeneste i dag, for å gi rask behandling og trygge helsetjenester i framtiden. Det er fortsatt en utfordring at ikke alle som har stort behov for hjelp, tidsnok får den hjelpen de har krav på. Men med regjeringens budsjett og gjennom forliket med samarbeidspartiene er vi godt i gang med å styrke innsatsen overfor dem som i mange år har ventet for lenge. Vi vet at pasienter gjennom år har ventet unødvendig lenge på nødvendig behandling i sykehusene, også på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. I budsjettet for 2015 tar regjeringen derfor to viktige grep i arbeidet med å redusere ventetider og helsekø. Det legges til rette for en aktivitetsvekst på 2,15 pst. i sykehusene neste år, og gjennom de to første budsjettene har regjeringen lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen sammenlignet med hva den rød-grønne regjeringen fikk vedtatt gjennom sine åtte år. Det andre viktige grepet er at vi starter innføringen av fritt behandlingsvalg, som øker valgfriheten for pasientene – helt i tråd med den overordnede ambisjonen om å Fritt behandlingsvalg innebærer også at vi fjerner aktivitetstakene i offentlige sykehus og åpner for mer kjøp fra private gjennom anbud. Vi lovet velgerne våre å gi pasienten mer makt, mobilisere kapasitet blant private og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. Vi leverer og starter med de pasientgruppene som har ventet lengst – de med psykiske

Det er ingen tvil om at vi trenger mer av alt i helsestasjonstjenesten – flere jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter, leger, psykologer og faggrupper. Kommunene har ansvaret for å finne sine lokale løsninger, men pengene kommunene får, skal brukes til dette formålet. Det er foruroligende at antall barn og unge som sliter med psykiske utfordringer, har økt de siste årene. Vår regjering har en tydelig ambisjon om lavere terskler og raskere hjelp til barn og unge. Små utfordringer må ikke få vokse til store, kroniske psykiske helseplager. Å skape trygge barn og unge er den beste investeringen vi gjør for å ruste Norge for framtiden. Gjennom åtte rød-grønne regjeringsår ble de som sliter med psykiske helseutfordringer og rusavhengighet, skjøvet lenger og lenger ned ved det helsepolitiske bordet. Ventetidene økte, samtidig som flere og flere behandlingsinstitusjoner ble nedlagt. Budsjettet vi vedtar i dag, og enigheten med Venstre og Kristelig Folkeparti gir et ytterligere løft for disse pasientene. Vi forsterker den sosiale profilen og setter de mest sårbare brukergruppene i sentrum. Totalt øremerkes nå 450 mill. kr til rusarbeid i kommunene, noe som vil bidra til å sikre at mennesker med rusproblemer får et helhetlig, individuelt og tilgjengelig tjenestetilbud. Avrusning må følges av umiddelbar behandling, og behandling må følges av bolig, mulighet til jobb og aktivitet og et liv utenfor rusmiljøet. Den mest sårbare fasen er den rett etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, og nå kan kommunene styrke innsatsen på dette feltet. Men det er ikke bare kommunene som gjør en viktig innsats. Det foregår et fantastisk arbeid i frivillig sektor i Norge, også på dette området. Mange likemenn bidrar til å skape livsglede og aktivitet i hverdagen. Gjennom det gode samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi økt rammene for frivillig sektors arbeid, og mange viktige tiltak har fått styrket sine rammevilkår. Som fotballglad politiker er jeg stolt over at vi viderefører en bevilgning på 3 mill. kr til Norsk Toppfotballs Kombinasjonen idrett og rusavvenning fungerer godt i mange av våre eliteserieklubber, f.eks. i Stabæk og i Vålerenga. Nå håper vi at flere klubber neste år kan starte opp gatelagsfotball. Det gir idretten enda mer mening, og det skaper hverdager med gullkant for dem som er på gatelaget. De siste ukers medieoppmerksomhet rundt norsk eldreomsorg viser behovet for et tydelig skifte i omsorgspolitikken. Vi må bli mer opptatt av å skape verdighet enn av å vedta verdighet. Budsjettet for 2015 og de kommende stortingsmeldingene gir håp om en omsorgstjeneste som vil møte den enkelte pleietrengende bedre enn i dag. Men det er et krevende arbeid regjeringen har startet på, og som kommunene må levere på. Det har ikke manglet på tilsyn, rapporter eller meldinger de siste årene om tilstanden i norsk eldreomsorg. Det som har manglet, er politisk vilje til å sette seg mål som er realistiske å nå. Derfor har regjeringen slått fast at vi ikke kan overlate til kommunene alene å løse utfordringene, ikke fordi det bare finnes triste historier i Kommune-Norge – mange er fornøyd med tilbudet de mottar – men det er for stor variasjon, og vi har for lite oversikt over kvalitet og kapasitet på nasjonalt nivå. Regjeringen har fra første budsjett økt bevilgningene til flere institusjonsplasser. Staten betaler nå halve regningen når kommunen bygger nye plasser, og neste år vil kommunene få tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Som nevnt tidligere i denne debatten ga Aftenposten oss fasiten på hva den rød-grønne regjeringen klarte gjennom sine åtte år – 567 nye plasser. Per 31. oktober i år har kommunene søkt om tilskudd til 500 flere heldøgns omsorgsplasser enn i hele fjoråret. Like viktig som trygghet for plass er at pasienten møter en faglig robust tjeneste. Derfor satser regjeringen også sterkt på kompetanseutvikling i omsorgen med 400 mill. kr neste år. Vi starter en masterutdanning for avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten, og vi satser mer på viktig lederutdanning. I Adresseavisen 18. november i år etterlyser forsker Jorunn Andrea Brænd en debatt om omsorgen rundt eldre døende pasienter. Det er en debatt vi skal ta, og vi skal diskutere omsorgen for døende uansett alder. Regjeringen har bestilt en fagrapport om palliasjon som kommer denne måneden. Det er 15 år siden forrige gjennomgang av hvordan vi ivaretar omsorgen ved livets slutt. Vi ser fram til fagrapporten og forventer at den svarer på hvor det ikke er godt nok, hvilke faglige retningslinjer som mangler, og hva vi må gjøre på utdanningsfeltet framover. Men regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre venter ikke bare på fagrapporten. Vi vet at palliasjonsfeltet må styrkes, og bevilger totalt 12 mill. kr i budsjettet til kompetanseutvikling om lindrende behandling og palliasjon. Vi øremerker midler til foreningen som driver kunnskapsutvikling om barnepalliasjon, og vi stimulerer til oppstart av videreutdanning for helsepersonell om barnepalliasjon. Arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste inneholder også ambisjonen om å skape trygghet for hjelp i det som er en av livets viktigste og mest krevende faser – stell, pleie og behandling inn i døden. Den røde tråden i det blå budsjettet er omsorgen for vektleggingen av pasientens unike posisjon i helsetjenesten og løsningene for å redusere unødvendig venting. Slik kan helsekø og utrygghet erstattes med livsglede og livskvalitet. Vi skaper pasientens helsetjeneste ved å flytte makt fra systemet til pasienten. Vi tar alle gode krefter i bruk, og vi skaper for å gi alle rask behandling og trygge tjenester i framtiden. Det blir replikkordskifte. På

Det er jo ikke helt riktig at vi ikke så at det var en nedbygging i rusarbeidet i kommunene. Det hadde vi fått veldig mange tydelige signaler på. Derfor var øremerking av disse midlene en helt tydelig prioritering fra vår regjering, og hvor vi nå også øker denne øremerkingen med 100 mill. kr til. Så er jeg glad for at vi i budsjettforliket legger inn så mye midler til som jeg nevnte i mitt innlegg. 270 mill. kr i 2015 kan innebære 450 nye årsverk i kommunene, i tillegg til de 180 mill. kr som vi viderefører fra den rød-grønne innstillingen i fjor. Men vi ønsker ikke å binde midlene. Det er fordi kommunene har ulike mangler og ulike behov. Noen trenger helsesøster, som jeg nevnte, andre trenger jordmor, noen trenger flere psykologer i tjenesten. Så regjeringen vil selvsagt følge med på hvordan pengene blir brukt. brukt. Pasientens helseteneste inneber visst òg kutt i psykiatrien over det ganske land. Den gylne regelen held på å slå sprekkar. Norsk Psykologforening ropte varsku før helga om at nye rapporteringsrutinar i helseføretaka 2013 skapar eit feil inntrykk av auka aktivitet innan psykisk helsevern. Gruppesamtalar skal verta rapporterte som to tiltak om det er to behandlarar. I barne- og ungdomspsykiatrien vert det kravd at om ein fyller ut to skjema som tar meir enn tolv minutt, skal ein registrera det som tre tiltak. Eg lurar på om representanten Wilhelmsen Trøen er fornøgd med den kreative bokføringa som er avslørt i helseføretaka, og kva som gir regjeringa alibi for at det faktisk skjer ein vekst, når vi ser at det er så mange store kutt ute i psykiatrien. Blant regjeringens viktigste målsettinger er å sørge for prioritering av psykisk helse og rus. Det har vi gjort fra dag én. Vi gjeninnførte den gylne regel som sier at veksten i innenfor rus og psykisk helse hver for seg skal være større enn veksten i somatikken. Vi begynner å se resultater av dette. Når det gjelder dette som representanten Toppe spør om, er det noe vi får følge nøye med på, men det er også en helt klar intensjon fra vår regjering at mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer skal få sin behandling så nær der de bor som mulig. Derfor er det ikke en nedbygging i spesialisthelsetjenesten, men mange av disse pasientene får nå sin behandling i DPS-er som er nærmere der de bor, og som gjør at de kan få sin behandling som en naturlig del av sin hverdag, i jobb, i studier og i familien. Vi har kunnet lese i innstillingen at regjeringspartienes representanter viser til regjeringens utredning av lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg. Det er en utredning mange har stusset litt over, både fordi det er

særs uklart hva slags modell man ser for seg, og fordi det er en tydelig lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg i dagens lovverk. SV har sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet et forslag i innstillingen som regjeringspartiene har valgt å gå imot, et forslag der vi ber om å klargjøre overfor kommunene at det faktisk eksisterer en slik rett, slik at denne utredningen ikke skal skape forvirring rundt dette. Derfor vil jeg gjerne høre regjeringspartienes begrunnelse for at de oppmuntrer til utredning av en rett som finnes, og ikke vil være med på å klargjøre overfor kommunene at denne retten gjelder i dag. Den største utfordringen i dag – ikke bare i eldreomsorgen, for vi har veldig mange pleietrengende også under 67 år som trenger heldøgns behandling i kommunene – er nettopp mangel på nok plasser og mangel på kompetanse i kommunene. Det er den mangel på nok plasser og mangel på kompetanse i kommunene. Det er den aller, aller største utfordringen vi har. Det innebærer også at svært mange som har krav på – som representanten Lysbakken sier – mer hjelp, får for lite hjelp. Det er derfor denne regjeringen er opptatt av å bygge ut kapasitet og bygge opp kompetanse, slik at kommunene kan møte de pasientene som har krav på denne behandlingen.

Folkeparti er opptatt av at eldre skal sikres en verdig alderdom. For å oppfylle verdighetsgarantien, som bl.a. garanterer at alle skal få sykehjemsplass ved behov – og da snakker vi ikke om når man har lyst, men ved behov – vil det være behov for en vesentlig styrking av antall omsorgsplasser i kommunene. Kristelig Folkeparti er glad for at regjeringen legger opp til

debatten. Behovet for heldøgns omsorgsplasser er i dag langt større enn hva vi har et tilbud om. Kristelig Folkeparti vil lovfeste retten til sykehjemsplass og bolig med heldøgns omsorg når sykdommen tilsier at man har bruk for det. Senter for alders- og sykehjemsmedisin forsker på smerte, demens og hvordan vi best kan ivareta eldre gjennom omsorgstilbudene i og vil bidra til økt rekruttering og gode prioriteringer. Kristelig Folkeparti er glad for at vi i budsjettforliket med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fikk gjennomslag for midler til nettopp dette senterets arbeid. Når vi vet at en lege i sykehus har 1,3 pasienter, og at en lege i sykehjem har 130 pasienter, og vi vet at 60 pst. av pasientene i sykehjem som har smerter, enten får feilbehandling eller underbehandling, har vi et kunnskapsbehov, og jeg er glad for at vi har et senter som det alders- og sykehjemsmedisinske senteret. Helsetilsynet peker på at det fortsatt er utfordringer og mangler i tjenestetilbudet for mennesker med demenssykdom, og at tilbudet til hjemmeboerne med demens må Folkeparti forutsetter at dette tilbudet blir styrket i årene framover og prioriteres høyt når regjeringen jobber med sin Demensplan 2020. Takket være ildsjeler i ideelle organisasjoner og i den kommunale omsorgen får mange eldre likevel – selv om man av og til kan lure på det i debattene – god og

Det kan ikke ene og alene være opp til ildsjelene å sørge for at de eldre får en meningsfull hverdag. Vi trenger tilstrekkelig og kompetent bemanning på alle landets sykehjem og i hjemmetjenesten. Den kulturelle spaserstokken er et tilbud som gir gode kulturopplevelser og hverdagsglede for mange eldre, og i

En verdig alderdom handler ikke om antall omsorgsplasser eller om hvor mange «tellekanter» vi har. En verdig alderdom handler om at mennesker i møte med alderdommen får en individuelt tilpasset omsorg, ekstra hjelp når det trengs og kompetent behandling etter behov. Det må tilrettelegges for at den enkelte kan få leve et innholdsrikt liv, til tross for de ulike begrensningene som sykdommen og alderdommen gir.

Folkeparti vil stimulere til kompetanseheving i hele helsetjenesten om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Mennesker i livets siste fase må få en helhetlig omsorg, god smertelindring og palliativ pleie tilpasset den enkelte, i godt samarbeid med deres pårørende. er derfor glad for at vi i budsjettet klarte å få gjennomslag for 12 mill. kr til kompetansehevende tiltak om omsorg ved livets slutt. Organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn styrkes som et resultat av budsjettforliket. Å ha syke, døende barn foran seg er noe av det tyngste i norsk helsevesen. Det er på en måte feil – alderen er feil, feil, det er ikke der døden skal inn, og det er tungt å arbeide. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for at vi skal sikre en kompetanseheving, spesielt til dem som jobber med døende barn og deres familier. Vi er også glad for at vi får på plass en videreutdanning. Men det er én gruppe vi ikke alltid snakker om, som jeg tror vil utfordre norsk helsevesen når det gjelder arbeid ved livets slutt.

Derfor er jeg glad for at vi klarer å få til 2,5 mill. kr til Gatehospitalet, og tre plasser. Jeg tror at de tre plassene må økes betraktelig, men vi kan innhente ganske Folkeparti er opptatt av at ideelle er sentrale tjenesteleverandører innen feltene rus og psykisk helse, både når det gjelder forebyggende arbeid, behandling og rehabilitering. Som et resultat av budsjettforliket styrkes dette arbeidet med 30 mill. kr til veldig mange som går lange og mange veier med dem som har en rusutfordring eller psykiske utfordringer. Over 70 000 barn i Norge lider under foreldrenes alkohol- eller rusmisbruk. Kristelig Folkeparti ønsker å fremme en alkoholpolitikk i solidaritet med dem sliter, nettopp med tanke på barna deres. Vi er glad for at omsorgen spesielt til barn med foreldre som har rusproblemer, styrkes, og Kompasset er et eksempel på noen som vet hva de skal gjøre for å ta seg av Hvert femte barn eller ungdom har nedsatt funksjon på grunn av psykiske utfordringer som angst, depresjon eller atferdsproblemer. Det er avgjørende for oss at vi får på plass et støtteapparat som er i stand til å møte de ventelistene som finnes. Skolehelsetjeneste og helsestasjonsarbeid er Skolehelsetjeneste og helsestasjonsarbeid er viktig. Selv om Kristelig Folkeparti også skulle ha ønsket å binde midlene der for å komme opp på et anstendig nivå, er vi likevel glad for styrkingen, for vi ser at hvis vi kan komme inn med tidlig innsats, kan vi demme opp for den store utfordringen og den sykdomsutviklingen som veldig mange av disse får i løpet av livet sitt. Vi er glad for at det kommer lavterskeltilbud som gjør at vi faktisk kan møte dem på et tidlig tidspunkt. Det er ofte sånn at gruppene som selv opplever urett eller mangler, er dem som må løfte stemmen og fremme krav, også i helsedebatten. Jeg skulle ønske at vi i større grad kunne kjempe for hverandre. På fredag leste vi om Aleksander Helmersberg, far til lille Milla som har Downs syndrom – et oppgjør med fordommer mot mennesker som er annerledes: «Hvis noen tuller med Downs, så er det såvidt noen gidder å løfte et øyenbryn, selv i beste sendetid på radio og TV. Ingen politikere, ingen aviser, ingen går i tog. Ingen bryr seg. For hvem fører downsbarn sin sak? Jo, mor og far. De er så slitne, lei og har nok med å sørge for at barnet får den oppfølging i barnehage, skole, fritid, helsevesen og venneflokken som de har krav på.» Medrepresentanter: Vi er satt til en viktig oppgave i denne sal – å tilrettelegge for gode, helhetlige helsetilbud. Vi trenger folk som faren til Milla, som sier fra når det ikke fungerer, og minner oss om det mest grunnleggende av alt,

og folkehelsearbeid, og det er jeg også opptatt av. Derfor har jeg lyst til å spørre om følgende: Vi så jo nå en utviding av taxfree-kvotene, hvor en kan bytte inn røykkvoten i enten mer øl eller vin, samtidig som vi ser at frukt og grønt tas bort fra skolen. Hvilke refleksjoner gjør du deg – og Kristelig Folkeparti – om akkurat denne kombinasjonen og denne folkehelsepolitikken? Presidenten vil minne om at talen skal gå gjennom presidenten. I Kristelig Folkeparti er vi de første til å si at da røyk ble gjort til vin – og ikke vann til vin

vi er uenige om den prioriteringen. Representanten Bollestad og jeg, Kristelig Folkeparti og Høyre, deler engasjementet for omsorg for mennesker i livets sluttfase, og i budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti løftet man dette spesielt, med 12 mill. kr. Palliativ pleie, eller slutten, forbinder vi gjerne med omsorg for alvorlig syke barn, kreftpasienter og eldre, syke mennesker, men Kristelig Folkeparti har i dette budsjettet løftet palliativ pleie for svært syke ruspasienter. Hvorfor er dette spesielt viktig for Kristelig Folkeparti, denne pasientgruppen og dette arbeidet? Vi vet at andelen av norsk befolkning som har rusproblematikk, bare vil øke i framtiden. Kunnskap om hva som trengs i livets sluttfase for akkurat denne gruppen, har vi lite av. For Kristelig Folkeparti har det vært viktig også med dem som mange betegner som dem som sitter nederst ved bordet. Vi vet ikke hvorfor de sitter der, men de har store utfordringer i slutten av livet. Kanskje er de isolert, psykisk sett, har ikke familien rundt seg på samme måte som veldig mange andre har, og i tillegg har de brukt mye medisiner, mye medikamenter i løpet av livet,

Senterpartiet prioriterer fellesskap og fellesskapsløysingar og vil skapa eit samfunn med små sosiale og geografiske forskjellar. Gode barnehagar, gode skular, trygge arbeidsplassar og reint miljø bidrar til fleire gode år for flest mogleg. Det viktigaste i helsepolitikken er folkehelsepolitikken. Senterpartiet vil ha ei folkehelsereform i skulen. Gratis frukt og grønt til skulelevar Senterpartiet prioriterer innføring av gratis frukt og grønt for elevar i heile grunnskulen. Vi innfører eit tilskot til skular som vil satsa på å utvikla skulemåltidet. Senterpartiet gir midlar for å starta innføring av 1 times fysisk aktivitet i skuletida, og vi gir ekstramidlar for å styrkja svømmeundervisninga. Vi styrkjer skulehelsetenesta med 200 mill. kr utover det som regjeringa føreslo. Senterpartiet prioriterer òg folkehelsetiltak i kommunane. Vi aukar støtta til utbygging av frisklivssentralar og lærings- og mestringssenter i kommunane. Vi aukar støtta til friluftsorganisasjonar som legg til rette for fysisk aktivitet. Senterpartiet prioriterer midlar til arbeidet for trygge drikkevatn og til arbeidet mot spreiing av Vi aukar støtta til folkehelsearbeidet til lag og foreiningar – bla. ved å øyremerka støtta til Diabetesforbundets arbeid retta mot innvandrarkvinner og Hjertelinjen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Alkohol er det rusmidlet som fører til flest samfunnsmessige og individuelle skadar. Alkohol er årsaka til svært mange innleggingar i somatiske sjukehus, og halvparten av pasientane ved dei psykiatriske akuttavdelingane i landet har problemfylt bruk av rusmiddel. Mellom 50 000 og 150 000 barn lir på grunn av rusmisbruket til dei vaksne. Restriktiv alkoholpolitikk er god folkehelsepolitikk for å sikra fridom for alle, ikkje berre for nokon få. Senterpartiet kuttar i 2015 i taxfree-kvotane til både tobakk og alkohol og aukar tobakk- og alkoholavgiftene med 3 pst. Alle som bur i Noreg, skal ha same rett til sikkerheit og beredskap og tilgang til behandling og helse- og omsorgstilbod av god kvalitet. Helse og omsorg er eit offentleg ansvar, som ikkje eignar seg for marknadstenking og stor bruk av anbod og konkurranse. Mens regjeringa meiner at produksjon av velferdstenester ikkje skil seg frå produksjon av andre varer og tenester, meiner Senterpartiet nettopp det. Senterpartiet vil utvikla og styrkja det offentlege helsevesenet, med frivillige, ideelle aktørar som nyttige samarbeidspartnarar og integrert del. Senterpartiet meiner at regjeringa si nye helsereform, fritt behandlingsval, vil svekkja dei offentlege sjukehusa og pasientrettane, sentralisera tilbod og redusera myndigheitene si moglegheit til å kontrollera og prioritera helsetilbod etter befolkninga sitt behov. Den same risikoen gir gjennomføring av pasientrettsdirektivet. Senterpartiet vil ha mindre marknadsstyring av helse og ein økonomi for auka pasientbehandling. Vi prioriterer nærare 1 mrd. kr meir til pasientbehandling enn fleirtalspartia i 2015. Vi gir midlar for oppretting av Rjukan spesialistsenter og vi øyremerkjer 50 mill. kr til sjukehusa sitt arbeid for skadde flyktningar. For pasientar som på grunn av lange reiseavstandar må overnatta før og etter poliklinisk undersøking eller behandling, aukar Senterpartiet overnattingsgodtgjersla for å skapa mest mogleg likeverdig tilgang til sjukehusbehandling, uansett kvar ein bur.

Dette er vår store helseprioritering i kommunane, då vi ser at tilbodet til pasientar med både ruslidingar og psykiske lidingar ikkje er godt nok. I tillegg styrkjer Senterpartiet midlane til helsestasjon og skulehelseteneste med 200 mill. kr utover regjeringa sitt forslag. Senterpartiet stansar regjeringa si planlagde nedbygging av døgnbehandling i psykiatrien, og vi reverserer den omfordelinga som ligg i budsjettet frå regjeringa, som skal understøtta ei slik nedbygging av døgnbehandling, og det før tilbodet er styrkt ute i kommunane. I dag er det om lag 23 000 heimebuande demente med behov for eit dagtilbod, som ikkje får det. Senterpartiet aukar innsatsen til utbygging av dagaktivitetsplassar med 50 pst., slik at ein vil kunna få om lag 1 500 nye plassar i 2015. Vi doblar òg regjeringa si satsing på Pårørendeprogrammet, jf. stortingsmeldinga Morgendagens omsorg, for å styrkja rettane til dei pårørande. Kvardagsrehabilitering kan bidra til å auka livskvaliteten og forbetra funksjonsnivået hos heimebuande eldre. Vi vil oppretthalda eit øyremerkt tilskot til kvardagsrehabilitering i kommunane fordi vi har stor tru på at dette kan betra kvardagen til mange eldre og hindra unødig tap av funksjonsnivå. Profesjonell kunst og kultur skal framleis vera eit tilbod for eldre. Difor løyver Senterpartiet 35 mill. kr til Den kulturelle spaserstokken.

I tillegg gir vi auka støtte til landsdekkjande frivillige organisasjonar som driv informasjons- og opplysingsarbeid, og til kontaktskapande lågterskelarbeid innan helse- og omsorgssektoren. Vi aukar støtta til Stiftelsen Organdonasjon, hørselhjelperordninga, Hjertelinjen, Demenslinjen og

For mange menneske med inkontinens og lettare inkontinens er refusjon av utgifter som følgjer av diagnosen, eit viktig økonomisk bidrag. Regjeringa føreslår å kutta i støtta til forbruksmateriell til dei med lettare inkontinens. Dette vert reversert i Senterpartiets alternative budsjett fordi vi synest det er eit småleg kutt retta mot ei gruppe pasientar som tradisjonelt sett ikkje har hatt sterke talspersonar. Vi reverserer òg regjeringa si reduserte løyving på tannhelsefeltet, som vi meiner er eit kutt som vil ramma pasientar som slit med tørr munn og syreskade på tennene. Dette er ei utsett pasientgruppe som kan ha store lidingar, ei pasientgruppe som vi meiner framleis må prioriterast. Eg meiner det er grunn til å vera bekymra over den utviklinga i sjukehusa som vi ser under den nye regjeringa. Regjeringa vil reformera norsk spesialisthelseteneste. Eg nemner fritt behandlingsval, innføring av nøytral moms, innføring av pasientrettsdirektivet. Føretaka vert pålagde å laga ein ny strategi for auka privatisering, for auka innkjøp av private. Føretaka vert òg pålagde ei såkalla effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform på 0,6 pst. Til saman utgjer desse eit linjeskifte i norsk helseteneste som vil innebera eit omfang av privat, kommersiell tenesteyting som vi ikkje har sett i norsk helseteneste før. Senterpartiets budsjett og politikk er det gode alternativet til ei slik utvikling. Med dette vil eg ta opp forslaga frå Senterpartiet. Representanten Kjersti Toppe har tatt opp de forslagene hun refererte til.

eneste som bedret seg, er tallet på antall røykere, som går ned, og det er mye takket være røykeloven og Dagfinn Høybråten. Vi mener at det finnes andre metoder enn moralske pekefingre som påvirker befolkningens helsevalg. Hva er det som får Senterpartiet til å tro at mer rød-grønn politikk, som åpenbart har begrenset effekt, virker? Kan det tenkes at endrede holdninger er viktigere enn enda flere statlige pålegg? Tusen takk for spørsmålet. Eg har lyst til å retta opp ein ting først: Eg meiner at det ikkje er ein moralsk å gi gratis frukt og grønt til ungar i skulen. Det er ingen moralisme i å vilja ha ein time fysisk aktivitet i skulen kvar dag. Når det gjeld korleis utviklinga har gått, veit vi ikkje korleis det hadde gått utan dei tiltaka vi har. Ein kan snakka så mykje ein vil om haldningsskapande arbeid, men når det gjeld alkohol og kosthald, veit vi at strukturelle tiltak verkar. verkar. Det er det som er så synd, fordi Høgre sin politikk med haldningsskapande arbeid høyrest veldig flott ut. Men det er ikkje det som gir resultat, ein er nøydd til å ha strukturelle tiltak, og det er eit politisk ansvar, som nokre parti er villige til å ta og andre ikkje. Kjersti Toppe har den siste tiden vært veldig opptatt av psykisk helse, og da må jeg spørre om fritt behandlingsvalg, siden vi vet at mange har fått hjelp til sine psykiske lidelser uten at det har virket. Vi vet at det er forskjell på tvangslidelser og selvskading, for å nevne noe. Vi vet derfor at riktig behandling er helt avgjørende. Så hvordan klarer Senterpartiet å mene at pasienten vil tape på å kunne velge den behandlingen som er riktig? Takk for spørsmålet. Eg deler representanten Kari Kjønaas Kjos sitt engasjement for psykisk sjuke. Så til problemet med fritt behandlingsval: No har det vore ute ei og mange av høyringsinstansane åtvarar nettopp mot å innføra dette på områda rus og psykiatri, bl.a. åtvarar Norsk Psykologforening mot det. Dei åtvarar – om det er éin plass ein ikkje skal begynna å innføra dette, er det for denne pasientgruppa. Det er fordi systemet er slik at det favoriserer eller eignar seg for pasientar som har ei avklart problemstilling, som har kanskje ein type behandling som ein skal ha éin gong, og så verta ferdig med det. Det som er den store frykta for fritt behandlingsval, er at intensjonen verkar god, men verkemiddelet vert heilt feil.

at vi som nasjon skal bli gode på alle typer sykdommer, behandlingsformer, sjeldne sykdomstilfeller og store kirurgiske utfordringer? Takk for spørsmålet. Eg lurer litt på kvar representanten vil hen, men

og sånn som eg forstår dagens regelverk, har vi avtale om det, og det finst gode eksempel på at vi har eit godt samarbeid med kompetansemiljø i andre land når ein ser at her er det noko ein ikkje heilt finn ut av sjølv. Så det må vi berre fortsetja med. Replikkordskiftet er omme. Venstre vil ha et helsevesen som gjør prioriteringer på en åpen, kunnskapsbasert og forutsigbar måte, og som tar i bruk teknologi for

Venstre vil ha gode offentlig finansierte helsetjenester. God kvalitet på tjenestene er viktigere enn hvem som utfører dem. Venstre vil arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenestemiljøer skal utfylle hverandre. Det har en egenverdi å kunne ta sine egne valg knyttet til helse og livsstil. Venstre er opptatt av å styrke pasient- og brukermedvirkningen. Fritt sjukehusvalg, brukerstyrt personlig assistanse og velferdsteknologi er eksempler på tilbud og ordninger som kan bidra til dette. Venstre vil flytte ansvaret for offentlige tjenester så nær borgeren som mulig. Vi mener det er viktig å styrke primærhelsetjenesten og gi et bredere og bedre helsetilbud i borgernes nærmiljø. Flere ressurser og økt kompetanse i primærhelsetjenesten vil etter Venstres mening redusere etterspørselen etter spesialisthelsetjenester og i mange tilfeller gi et kvalitativt bedre tilbud. En styrking av primærhelsetjenesten og bedre samhandling mellom sjukehus, sjukehjem og øvrig kommunehelsetjeneste vil kunne gi færre reinnleggelser i sjukehus, bedre rehabilitering og økt verdighet. Hverdagsrehabilitering og hjemmebasert rehabilitering gir den enkelte mulighet til å bo hjemme lenger og få behandling i kjente omgivelser. Venstre mener at helsestasjoner er den delen av helsetjenesten som er best egnet til å jobbe med forebygging for barn og unge. Vi er derfor glad for å ha fått til en ytterligere styrking av helsestasjoner i forliket med regjeringspartiene. Forebygging er viktig i alle livets faser. Helsestasjonene har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold. Forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller i Norge. Mye av det helsefremmende arbeidet gjøres i dag av frivillige og ideelle organisasjoner. For Venstre er det derfor viktig å støtte folkehelsefremmende aktivitet i For barn og unge spiller fritids- og idrettsorganisasjoner en viktig rolle med tanke på forebygging og etablering av gode helsevaner. Her er det viktig å sikre bredde og inkludering i tilbudet, slik at flere barn blir med. Vi må ikke glemme folkehelseperspektivet i barneidretten i iveren etter å skape enere. Venstre mener videre at det er særlig viktig å styrke innsatsen knyttet til de Her trenger vi både mer forskning og mer tverrfaglig samhandling for å løse utfordringene. Muskel- og skjelettlidelser påfører sammen med psykiske lidelser mange både fravær, følelse av utenforskap og frustrasjon over system. I tillegg dreier det seg om store helserelaterte trygdeytelser, opp mot 70 mrd. kr per år. Det er behov for mer kunnskap om muskel- og skjelettlidelser og økt kompetanse for å jobbe tverrfaglig, siden disse lidelsene rammer så store deler av befolkningen. I tillegg er det behov for både økt kapasitet og ny kompetanse. Jeg vil henlede oppmerksomheten på Danmark, hvor noen universiteter har lagd felles utdanningsløp for leger og kiropraktorer de første tre årene. En kiropraktorutdanning i Norge er det på tide å få på plass, men implementert i en vitenskapelig og medisinsk forskning. 10 mill. kr til økt forskning innen muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse er en god start. Videre må vi styrke kommunenes helsetilbud innen psykisk helse, slik Venstre fikk gjennomslag for i Stortinget i vår, og vi ser fram til regjeringas utredning av en opptrapping for førstelinja innen psykiske helsetjenester, med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og – som vi sa – med en særlig prioritering av barn og unge. Ved psykiske helseplager vil det være en ekstra belastning å miste tilknytningen til arbeidslivet. Og for den som faller ut, kan veien tilbake bli lang. Venstre er derfor opptatt av å få til en bedre samhandling mellom kommuner og mellom Nav og næringslivet med tanke på arbeidsrettede mestrings- og rehabiliteringstiltak. Jeg er glad for at vi i forliket med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti bl.a. styrker lavterskeltilbudet ved fontenehusene for personer som har eller har hatt psykiske lidelser, slik at de kan oppleve mestring og gis mulighet til å prøve Det er også viktig å få Nav til å ta i bruk fontenehusene som en ressurs og en arena for arbeidsrettet rehabilitering. Rus og psykiatri var prioriterte områder i regjeringas forslag til statsbudsjett, noe Venstre er glad for. Norge ligger helt i toppen blant de europeiske land når det gjelder overdosedødsfall. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen og en faglig sterk politikk når det gjelder forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern. Venstre er svært glad for at vi nå får en styrking av ACT-teamene, som gir pasienter med alvorlig psykisk lidelse med tilleggsproblematikk som rusmisbruk og lavt funksjonsnivå, et helhetlig tjenestetilbud med de typer hjelp som trengs innen flere områder. Velferdsteknologi er tekniske hjelpemidler som styrker den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til tross for sjukdom eller nedsatt funksjon. Det finnes et stort potensial for nye løsninger som kan møte framtidas omsorgsbehov. Venstre mener at digitale løsninger kan bidra til bedre velferd, bl.a. ved å lette kronikernes og hjemmeboendes hverdag. Jeg er glad for at Venstre har fått gjennomslag for å etablere et stort nasjonalt forskningsprosjekt innen velferdsteknologi som er særlig rettet mot kronikere og hjemmeboende, og som vil kunne gjøre hverdagen enklere for svært mange. Vi skal skape pasientens helsetjeneste. Da er det også viktig å skape den tjenesten for barn. barn. Barn som pårørende gjør mye viktig arbeid for å gi barn et språk for å forklare oss voksne hva de lider av, og hva de sliter med. I Sykehuset Innlandet pågår det et viktig arbeid i samarbeid med Barn som pårørende, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Høgskolen i Lillehammer – medieutdanningen der – for å bruke visuelle kanaler for å formidle og lære opp barn og la barn forstå hva som er utfordringer i familien og i omgivelsene. Det er et viktig arbeid som jeg er glad for at vi har funnet penger til, både i årets budsjett og for neste års budsjett, for å utvikle videre. Så er jeg også glad for at vi har funnet midler til å gjøre noen pilotprosjekter knyttet til helse- og velferdstilbudet for studenter. En av utfordringene her er at det tilbudet er ulikt finansiert rundt om i Norge. I hovedsak er det overlatt til studentene å bidra til det lokale velferds- og helsetilbudet, men kommunene har det lovpålagte ansvaret. I noen helseforetak bidrar helseforetaket med penger. Noen steder bidrar kommuner som har studiesteder. Men det vanlige er stort sett at verken helseforetak eller kommuner bidrar. Venstre tror at det ligger noe uforløst i studentenes egen involvering her, og at studentsamskipnadene kan være gode aktører for å drive et bredere helsetilbud til studentene. Så til sjukehus. Kapasitet er viktig. Flere har vært inne på det i foregående innlegg. Vi er nødt til å skape en bedre kapasitet og sikre nødvendig kvalitet. Som sagt er Venstre ikke så veldig opptatt av hvem som utfører jobben, det viktigste for oss er at det er kvalitet, og at det finnes en valgmulighet. Men strukturen er også en del av debatten, og også organiseringen. Venstre er bekymret for, som et resultat av den hovedstadsprosessen vi har sett, Oslo universitetssykehus’ utfordringer. Det er derfor viktig at vi fortsetter debatten om framtidig organisering, også når vi i løpet av neste år får en nasjonal helse- og sjukehusplan som skal se på særlig sjukehusstrukturen. Venstre ønsker ikke en storstilt sentralisering av sjukehus, for oss er det viktig at vi bruker midlene også til å investere i medisinsk-teknologisk utstyr og sikrer en desentralisert Med den demografien vi går inn i, med en aldrende befolkning som ikke er så mobil, er det viktig. Da er vi nødt til å sørge for at helsetjenestene kommer ut til befolkningen. Så skjer det også en naturlig spesialisering og utvikling innenfor kirurgi som gjør at det er naturlig å sentralisere noe planlagt Når det gjelder Oslo spesielt, har Venstres landsstyre nylig gått inn for at vi vil rive pasientbygget på Radiumhospitalet og bygge et nytt pasientbygg der, etablere et protonsenter der. Vi mener at det er en svært viktig jobb å gå i gang med, og at det er viktig at vi nå parkerer den storstilte Campus Oslo-utredningen som har pågått, pågått, at vi ikke sliter oss ut på å bruke mange midler på å planlegge en mastodont som det vil være umulig å realisere. Det er pasientens helsevesen vi skal skape, og vi ser i Oslo hvor vellykket de lokalsjukehusene vi har der, er – Diakonhjemmet og Lovisenberg. Vi trenger et nytt lokalsjukehus i Oslo. Det blir replikkordskifte.

i Norge for slike analyser. Så er det slik at Venstre tidligere åpent har støttet dette, men vil, etter det jeg forstår, stemme for regjeringas opplegg, som går ut på at man vil anbudsutsette slike oppdrag for å få inn flere private, kommersielle aktører. Venstre er veldig opptatt av personvern. Håndtering av menneskelig DNA krever høyeste grad av sikkerhet og kompetanse. Kan representanten Kjenseth se at regjeringas planer om å bringe flere kommersielle aktører inn i arbeidet med DNA-analyser har noen personvernmessige utfordringer? Umiddelbart ser jeg ikke helt det. Der vi står i dag, er det faktisk en personvernutfordring som det er. Vi mangler IKT-systemer som gjør at ulike aktører i det offentlige kan snakke sammen. Vi er nødt til å få på plass det. Så vil det være sånn med en anbudsutsetting og eventuelle private aktører, som for øvrig benyttes også i dag, og mange utenlandske aktører, at det må kunne stilles krav om personvern. Så vi ser ikke på det som en veldig stor utfordring innenfor det feltet. Kapasiteten er viktig, og det miljøet som er i Tromsø i dag, er det også viktig å bygge videre på, på, at de kan få ta i bruk DNA-analyser for å styrke det faglige grunnlaget for det miljøet som er der. Vi ser ingen motsetning i det. Men vi ser at politiet får en viktigere og viktigere rolle i arbeidet med DNA-analyser i Norge. Så vi er nysgjerrige på å få tatt i bruk den økonomien som ligger i politiet, også til å styrke det miljøet. Samarbeidspartiene ble i budsjettforliket enige om å fordele 30 mill. kr ekstra til utvikling av velferdsteknologi. Representanten

Og har Venstre tatt inn over seg at omsorgstjenestene i Norge i all hovedsak er et kommunalt ansvar, som i stor grad følges opp av fylkeslegen? Min bekymring var knyttet til at vi skal bygge opp et helsebyråkrati også hos Fylkesmannen, og jeg ser ikke at fylkesmennene i dag har en særlig kompetanse knyttet til velferdsteknologi. Jeg forstår at Høyres intensjon og regjeringas intensjon er at pengene skal komme ned til kommunene. kommunene. Hvis Fylkesmannen er en effektiv kanal for det, er det helt greit. Vi har, som representanten sier, ikke foreslått å gjøre noen endringer på det. Vi har fått gjennomslag for et stort nasjonalt prosjekt innenfor velferdsteknologi. Da er det viktig for oss at vi sørger for at vi får kunnskap og lærdom som gjør at mange hundre små prosjekter rundt om i Kommune-Norge ikke gjør den samme feilen.

forsking og utvikling, så kva er logikken bak det sjukehuskuttet som Venstre går inn for? For det første deler vel Venstre og Senterpartiet det syn at det er viktig å satse på folkehelseforebygging, bruke mer penger på det og sånn sett gi flere et bedre liv – jo før, jo heller. Når det gjelder vår prioritering, tror vi i motsetning til Senterpartiet at det er mulig å bruke ledig kapasitet blant ideelle og private aktører noe mer, og på den måten få en effektivisering av dagens offentlige sykehus, sykehus, hvor vi opplever betydelige ventelister og store utfordringer med faktisk å finne fram og få en time. Jeg tror at systemet trenger en utfordring fra andre aktører for å vise at det er mulig å gjøre det på andre måter. Vi har skapt noen mastodonter som sliter med å ta i bruk ny teknologi, særlig

begrenset. Derfor ser vi at regjeringen ikke er i nærheten av å oppfylle de forventningene regjeringspartiene selv har skapt i helse- og omsorgspolitikken. SV prioriterer annerledes. Vi vil gjøre det som er viktigst først. Derfor vil vi øke satsingen på helse, men vi vil også fordele helsekronene på en annen måte. Alle partier snakker om forebygging – i SVs alternative budsjett er forebygging den viktigste helsesatsingen.

vaner. Den store utfordringen for framtiden er derfor å føre en forebyggende politikk som kan utjevne disse forskjellene. Helsepolitikken kan ikke bare handle om hva vi skal gjøre med mennesker når de havner på sykehus, den må i mye større grad handle om hvordan vi skal unngå at flere havner der. Framtidens viktigste velferdsreform er derfor heldagsskolen, mener SV. Den vil være et betydelig løft for folkehelsen. Barn som går på skolen uten mat eller sjelden spiser sunt, risikerer å utvikle betydelige helseproblemer. Barn som sitter stille og sjelden oppfordres til fysisk aktivitet, blir lett morgendagens pasienter med livsstilssykdommer. Derfor foreslår SV i sitt alternative budsjett å bevilge om lag 900 mill. kr til gratis brødmåltid i skolen, til frukt og til fysisk aktivitet i grunnskolen fra høsten av. Vi ønsker å øremerke 395 mill. kr til skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Det er en del av en opptrapping til 1 500 nye årsverk i løpet av perioden. Det vil bety at barn som utvikler psykisk eller fysisk sykdom, kan fanges opp tidlig, ses av voksne i sin skolehverdag på en helt annen måte enn i dag. Men som Sykepleierforbundet påpekte i komiteens budsjetthøring,

ansvar. Nobelprisvinner i økonomi James Heckman har regnet seg fram til at den mest lønnsomme investering et samfunn kan gjøre, er de investeringene som sørger for at det vanskeligstilte barnet blir en trygg voksen. Det tar SV konsekvensen av. Vi ønsker å bruke de store pengene i dette helsebudsjettet på de små menneskene. Vår satsing på barn og folkehelse står i skarp kontrast til regjeringens folkehelsepolitikk, kanskje best symbolisert ved at på samme tidspunkt som pengene til frukt og grønt i skolen forsvant ut av budsjettet, kom penger til billigere alkohol på taxfree inn i budsjettet. De siste ukene og månedene har jeg, og mange andre på Stortinget, mottatt en flom av e-poster fra pasienter og pårørende, som viser at virkeligheten i psykiatrien dessverre er annerledes enn det glansbildet av utviklingen som regjeringen har vært opptatt av å tegne i det siste. Mange av dem som er sykest, opplever at hjelpen bygges ned. Traumeenheten i Bodø er lagt ned. Nå trues tilbudet til mennesker med angstlidelser på Østmarka i Trondheim Rus- og psykiatriposten ved UNN i Tromsø. Begrunnelsen er ikke faglige vurderinger, men økonomi. Regjeringen forsvarer seg med sin såkalte gylne regel, om at veksten innenfor rusfeltet og psykiatri skal være sterkere enn veksten innenfor somatikk. Men denne regelen er ikke særlig gyllen når vi ser på hvordan den blir praktisert. For det første er det snakk om prosentvis vekst, for det andre viser det seg nå at kreativ telling bidrar til at helseregionene når målet. I stedet må vi bevilge mer penger direkte til flere behandlingsplasser til rusomsorg og psykisk helse. Det gjør SV i sitt alternative budsjett. Mens folkehelse er den ene store utfordringen for framtiden, så er den andre å sikre lik tilgang til gode helsetjenester. Regjeringen ønsker å gjennomføre et systemskifte i helsevesenet vårt med kombinasjonen av såkalt fritt behandlingsvalg og EUs pasientrettighetsdirektiv. Det innebærer å akseptere at helsetjenester skal omsettes i et Det innebærer å akseptere at helsetjenester skal omsettes i et marked, som om de var industriprodukter. SV er mot en utbygging av en større kommersiell sektor i norsk helsevesen og mot å tappe norske sykehusbudsjetter for å finansiere private klinikker i utlandet. Helsevesenet skal ikke tjene penger, det skal tjene folk. Omsorg er omtanke og ikke butikk. Det vi ser nå, er begynnelsen på en ny måte å prioritere på, der de pasientene som lønner seg mest, vil kunne komme til behandling først. SV vil heller ha et helsevesen der det er de pasientene med størst behov som skal slippe fram først. Derfor går vi imot bevilgningen til fritt behandlingsvalg. Vi vil heller bruke pengene på økt aktivitet i offentlige sykehus, derfor vil vi øke investeringene i sykehusene våre. Vi tror bedre organisering, investering i moderne operasjonsstuer og utvidede åpningstider på fellesskapets sykehus er veien å gå for å få ned ventetiden. NRK har nylig dokumentert uverdige forhold i norsk eldreomsorg. Underernæring, ulovlig bruk av tvang samt ensomhet rammer enkelte av våre pleietrengende eldre. Vi vet alle at det ikke er hovedbildet av norsk eldreomsorg, men ett eneste sånt eksempel er et for mye. Det største problemet i omsorgen i dag er at det er for få helsefagarbeidere og sykepleiere på jobb. Det blir for lite tid til å ta seg av hver enkelt, det blir for mye løping og for høyt sykefravær. For meg er disse damene – for de fleste av dem er kvinner – velferdsstatens store helter, og vi trenger flere av Økt grunnbemanning er det viktigste enkeltgrepet for en bedre omsorg, og det kan kommunene få til. Kommuner som har hatt mot til å satse, har opplevd at økt grunnbemanning ikke trenger å være dyrt, fordi det også kan medføre lavere utgifter til sykefravær og vikarbruk. Mer tid til den lille praten, til turen ut eller det stille samværet som gir verdighet og trivsel, er uansett den største gevinsten. Derfor foreslår vi en pott til forsøk med økt grunnbemanning på flere sykehjem i vårt alternative budsjett. Og viktigst: Vi foreslår en kommuneøkonomi som ville gjort det mulig å ruste opp eldreomsorgen rundt om i landet. Fortsatt bor ca. 2 000 pleietrengende eldre på dobbeltrom på norske sykehjem. Noen gjør det fordi de ønsker det, kanskje et Men for dem som ikke ønsker det, er det en uakseptabel situasjon. Også i den siste fasen av livet er det en samfunnsoppgave å sørge for verdighet og trivsel for den enkelte. De fleste kommuner har løst denne oppgaven, og derfor er det rimelig å kreve at også etternølerne skal klare det. Regjeringen har rotet seg inn i en rabattordning som viser seg å være en fiasko. På spørsmål fra SV har departementet bekreftet at en kommune faktisk kan spare penger på å investere i dobbeltrom med regjeringens opplegg – riktignok en ubetydelig sum, men meningen med forslaget var jo stikk motsatt. Rabattordningen er feilslått og må avskaffes. Det som kan få fart på avviklingen av de siste tvangssamboerskapene i norsk eldreomsorg, er et lovforbud, kombinert med sanksjoner for dem som bryter det. det. Det foreslår SV i dag. Det er på tide også å stoppe stoppeklokkene i hjemmetjenestene rundt om i landet. I København har en tillitsreform som gir pleierne tid og rom til å styre arbeidsdagen uten stoppeklokker, vist seg å gi de eldre et mye bedre tilbud. Da kan hjemmesykepleieren bruke litt ekstra tid hos fru Hansen den dagen hun er ensom og redd, og heller litt kortere tid hos herr Olsen den dagen han har overskudd. Det vil være en omsorg med utgangspunkt i menneskers behov, i stedet for trange mål og skjema. SV foreslår derfor en bevilgning til utvikling av lokale tillitsreformer i omsorgen og innføring av en ordning hvor eldre med store omsorgsbehov kan få bestemme over en halvtime de får av kommunen hver uke. SVs alternative budsjett er et budsjett for folkehelse, for fellesskapsløsninger og for mer tid og tillit i omsorgen.

Jeg aksepterer at SV er imot EU, men at partiet vil nekte norske pasienter å få mulighet til sykehusbehandling i utlandet, mener jeg er ille. Noen små pasientgrupper i Norge opplever at deres tilbud ikke er godt nok. Det er kanskje bare ett fagmiljø i Norge, og de vil kunne dra veldig stor nytte av muligheten til å benytte utenlandske fagmiljøer for å bli friske. Dette handler om viktige pasientrettigheter for noen få, sårbare pasientgrupper, som har rett til behandling, og som vil få den til samme kostnad i utlandet som her hjemme. Kan representanten Lysbakken forklare meg hvorfor det er så viktig for SV å stikke kjepper i hjulene for disse pasientene? Det er i dag – og det er SVs politikk at det skal være – en anledning til å kunne benytte seg av tjenester i utlandet når det trengs. Problemet med pasientrettighetsdirektivet sånn som det nå foreslås gjennomført av regjeringen, er både at den forhåndsgodkjenningsordningen som forrige regjering foreslo, som ville gitt bedre kontroll på denne prosessen, er avskaffet, og at vi har fått tydelig melding fra regjeringen om at ESA ser ut til å mislike måten det var planlagt utført på. For oss viser det at vi er på vei mot å få et helsemarked i Europa som gjør at vi frykter for både en storstilt utbygging av kommersielt helsevesen, manglende mulighet til å kontrollere hvor pengene skal gå i framtidens helsevesen, og en tenkning rundt helse som vare som vi tror vil gjøre at lommeboken får mer å si i framtiden og pasientenes behov mindre. I tillegg er jeg litt forbauset over at regjeringspartiene tar problemstillingen rundt antibiotikaresistens så lite på alvor i forbindelse med Under åtte år med den rød-grønne regjeringen så vi at todelingen i helsevesenet forsterket seg. Stadig flere betalte seg ut av helsekøen fordi man ikke ønsket å vente på behandling hos det offentlige. For å redusere køene i det offentlige helsevesenet innfører derfor Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen fritt behandlingsvalg. Det skal sikre at pasienter kommer raskere til behandling på riktig sted. I SVs alternative statsbudsjett vil partiet erstatte fritt behandlingsvalg med økt aktivitet sykehus. Derfor blir mitt spørsmål til representanten Lysbakken: Vil han at todelingen vi så i helsevesenet under den rød-grønne regjeringen, der de med tykkest lommebok kjøpte seg ut av helsekøen, skal fortsette? Synes representanten det er riktig at det skal bli – for å bruke hans egen språklige sjargong – bedre helsetjenester for dem som har mest fra

Så vet vi at det er i veldig liten grad norske borgere selv som tegner privat forsikring, det er det arbeidsgiverne som gjør. Det tror jeg reflekterer at folk flest føler lite behov for det. Fritt behandlingsvalg skaper ikke økt kapasitet i det norske helsevesenet. Fritt behandlingsvalg innebærer en annen måte å prioritere mellom de ressursene vi allerede har, på. Da mener vi at det vil føre til en måte å prioritere på som stiller de pasientene som er lønnsomme i kommersielle klinikker, i en gunstig posisjon, og de som ikke er det, i en ugunstig posisjon, og det mener vi er en urettferdig og lite hensiktsmessig måte å prioritere helsekronene på.

Når man skal ha penger til brødmat, til frukt og grønt og til fysisk aktivitet og deler det på tre, står man igjen med ca. 300 mill. kr til fysisk aktivitet. Det blir om lag tre minutter fysisk aktivitet i løpet av en skoledag for én elev. Det er ikke mye, og det sier noe om hvor mye penger som skal til. Men mitt spørsmål er nå – for vi har mange ufaglærte lærere i norsk skole, og vi sliter med å rekruttere til lærerutdanning skal lærerne nå også bli helsearbeidere? Det rekker nok til mer enn tre minutter med fysisk aktivitet, men representanten har rett i at vi må dele pengene opp på en smart måte og begynne et sted. Det vi har foreslått i vårt budsjett, er å begynne i 5.–10. klasse i grunnskolen fra høsten av. Helårseffekten når man utvider dette til en halvtime i hele grunnskolen, vil selvfølgelig bli større.

og det mener vi er nødvendig. Men utvidingen av timer knyttet til både fysisk aktivitet og leksehjelp, som vi foreslår, skal være under veiledning av faglig kvalifisert personell. Replikkordskiftet er omme. Regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Vi vil flytte makt – fra systemet til pasientene. Vi vil spre makt – og

i norsk helsetjeneste, men også å gjøre noe med det som må bli bedre. Åpenhet om både det som er bra, og det som ikke er godt nok, er nødvendig om vi skal forbedre tjenestene og skape tillit til det arbeidet vi gjør. – For eksempel at vi har en helsetjeneste som ofte er veldig god på overlevelse, men mindre god på opplevelse. Fortsatt venter for mange unødvendig lenge på helt nødvendig behandling. Mange eldre og omsorgstrengende får ikke gode nok tjenester, og fortsatt er det behov for et løft for personer med rusproblemer og psykiske utfordringer. Derfor har regjeringen fremhevet tre viktige målsettinger: For det første: Vi skal redusere unødvendig venting for pasientene. Neste år vokser budsjettet til pasientbehandling med nærmere 2 mrd. kr. Det gir en høy aktivitetsvekst sammenliknet med tidligere år. Regjeringen har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i sine to første budsjetter sammenliknet med hva de rød-grønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Vi bevilger mer penger til sykehusene. Det investeres i bygg, utstyr og moderne IKT. Vi styrker pasientens rettigheter og tar alle gode krefter i bruk. Vi vet at ledig kapasitet har stått ubrukt, samtidig som pasienter har ventet på behandling. Neste år starter innføringen av fritt behandlingsvalg. behandlingsvalg. Vi gjør tre viktige grep: Vi bevilger 150 mill. kr til dette. Sykehusene skal øke sine kjøp av tjenester fra private gjennom anbud. Vi fjerner aktivitetstaket i de offentlige sykehusene som gir rom for å drive mer effektivt og behandle flere pasienter. Det er å lytte til hva pasientene forteller oss. – Som rusavhengige som forteller om lange ventetider når motivasjonen for behandling er der, og plassene som først er ledige når motivasjonen er borte. Det er å sette pasienten i sentrum i det vi gjør. Vi flytter makt – fra systemet til pasienten. For det andre: Å øke kapasiteten og styrke kvaliteten i pleie- og omsorgssektoren. Det er positivt at vi blir flere eldre, som lever flere friske år. Vi skal tilrettelegge for at de får mulighet til å leve et aktivt liv. vi må sørge for gode omsorgstjenester og sykehjemsplasser når behovet for det kommer. Utbyggingen har ikke vært god nok. Kompetansen i tjenestene samlet sett er for lav. De siste ukers mediedekning har minnet oss på hva vi lenge har visst, og som en altfor lenge ikke har gjort nok med. For mange mennesker er forholdene i omsorgstjenestene ikke verdige nok. Ingen kan unngå å bli berørt av fortellinger om ansatte som gråter når de går av vakt, og eldre som ikke får de tjenestene de har behov for. Vi har vært tydelige på én ting som er nødt til å skje om vi skal lykkes bedre med dette: Staten må ta et større ansvar for både utbygging og kompetanseheving i denne kommunale tjenesten. Allerede ser vi resultater av ny politikk. I år er statens tilskuddsandel ved utbygging av pleie- og omsorgsplasser i kommunene økt. Staten tar nå halve regningen. Den 31. oktober hadde kommunene allerede søkt om 500 flere tilsagn om tilskudd enn i hele 2013. En ramme på 2 500 enheter i 2015 legger til rette for ytterligere kapasitetsøkning og renovering. Regjeringen vil også utrede et forsøk med statlig finansiering i omsorgen. Det må ikke bare komme flere ledige rom; vi trenger også flere folk til å gjøre jobbene. Pasienter og brukere med omsorgsbehov har ofte sykdommer og helseproblemer som krever avansert kompetanse å ivareta. Det snakkes viktig og også helt riktig om behovet for varme hender. Men ansatte i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene trenger å ha mer enn varme hender. De trenger også å ha veldig kloke hoder. Derfor satser vi mer på kompetanse i tjenestene. Vi utarbeider nå en ny demensplan der vi samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen og involverer mennesker med demens i utarbeidelsen av planen. For det tredje: Vi skal prioritere bedre behandling og forebygging innen psykisk helse og på rusfeltet. For lenge har personer som sliter med rus og psykiske helseproblemer, ikke blitt tilstrekkelig prioritert. Tilbudet har vært for dårlig, ventetidene for lange, valgfriheten for liten, og forebyggingen har ikke vært god nok. Politikk har konsekvenser. Da den forrige regjeringen ba sykehusene slutte å prioritere rus og psykisk helse, fikk det konsekvenser for pasientene. Det så vi i SAMDATA-rapporten for 2013. Noe av det første vi gjorde da vi kom i regjering, var å gjeninnføre den gylne regel om at helseregionene skal prioritere rusfeltet og psykisk helse igjen. Vi har bedt dem kjøpe mer tjenester av ideelle og private til disse gruppene og gitt dem ressurser for å gjøre det. Fritt behandlingsvalg innføres først for mennesker med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer. Men altfor mange blir for syke før de får hjelp – som den unge jenta som ikke vet hvor hun skal henvende seg når hun merker at de tunge tankene trenger seg på – fordi det mangler et godt nok tilbud i kommunene, fordi skolehelsetjenesten ikke er godt nok tilgjengelig, fordi kommunene mangler psykologtjenester. Derfor må vi satse spesielt på de kommunale tilbudene. Kommunene får 200 mill. kr mer til arbeid med rus og psykisk helse. Halvparten øremerkes til det første. I år gjeninnførte vi øremerkingen av midler til det samme som forrige regjering fjernet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten styrkes betydelig i år og neste år gjennom kommunenes rammer – 180 mill. kr i fjor, 270 mill. kr i årets budsjettforslag. Enigheten med Venstre og Kristelig Folkeparti vil gi et ytterligere løft for mennesker med rusproblemer og psykiske helseproblemer i 2015. Neste år kommer regjeringen med en opptrappingsplan på rusfeltet, som spesielt vil ha oppmerksomhet på de kommunale tilbudene. Det er mye ugjort for dem som sliter med rus og psykiske helseutfordringer. Budsjettet for neste år vil ikke løse dette, men det viser absolutt at vi er på rett vei. I budsjettet for 2015 styrker vi også folkehelsepolitikken. Neste år kommer en ny folkehelsemelding. Tre hovedsatsinger i den vil være å integrere psykisk helse i folkehelsearbeidet, satse på aktiv aldring og å legge bedre til rette for sunnere valg. Noe av det viktigste folkehelsearbeidet som skjer, skjer utenfor helsesektoren. – Skolepolitikken som hindrer frafall, friluftspolitikken som lar oss være aktive, sykkelstiene som gjør oss mer aktive, kulturpolitikken som styrker idretten. Budsjettet viser ikke bare at regjeringen satser på og prioriterer helse. Det viser også at vi er i gang med et helt nødvendig reformarbeid som skal skape pasientens helsetjeneste. Penger alene er ikke svaret. Vi må også vise vilje til omstilling og tenke nytt om vi skal bli bedre. Vi skal fornye, vi skal forenkle, og vi skal forbedre. Neste år innfører vi standardiserte pakkeforløp innen 27 kreftområder. Det skal gi raskere diagnose og behandling og ikke minst et bedre møte med helsetjenesten for pasienter som har mistanke om kreft, eller har fått kreft. Pasienter skal få god informasjon om behandlingen, slippe medisinsk ubegrunnet venting og ikke så ofte bli kasteballer i systemet som de opplever i dag. For mange pasienter opplever det Per Fugelli har kalt «engangslegene», og føler seg usikre på hva som er neste steg i behandlingen. Regjeringen har på høring et forslag som gir alvorlig syke rett til kontaktlege for å slippe å forholde seg til for mange leger og uklar informasjon. Disse to tiltakene handler ikke primært om budsjetter; de handler rett og slett om å ta et valg om å sette pasienten i sentrum. Det gjør denne regjeringen i alt det arbeidet vi gjør. Budsjettet for neste år viser at det er vilje til å følge opp de målsettingene vi har: Vi styrker sykehusenes økonomi, legger til rette for høy vekst i pasientbehandlingen og innfører fritt behandlingsvalg for å redusere unødvendig venting for pasientene.

for å gi alle rask behandling, god omsorg og trygge tjenester i fremtiden. Det blir replikkordskifte. «Dagens Medisin» har i flere artikler skrevet om en meget spesiell sak, der en privat, kommersiell aktør kommer reisende nordover til Finnmark, behandler et antall psykisk syke pasienter til skyhøy timepris, med et usedvanlig intenst behandlingsopplegg og med manglende samhandling med det offentlige helsevesen i pasientens nærområde. Det er HELFO som har inngått og godkjent avtalen som ble gjort i 2012, i forbindelse med fristbrudd. Helseministeren har tidligere fått spørsmål i Stortinget om hva han vil gjøre i denne saka. Da har han kommet med følgende svar: Det er pasientene sjøl som bestemmer. Om kostnadsbildet sier han: Markedssituasjonen påvirker konkurransesituasjonen og dermed timeprisen. Mitt spørsmål, som jeg gjerne vil ha konkret svar på, er som følger: Er helseministeren fremdeles fornøyd med det som skjer i denne saka? Og dersom han er det, synes han saka i Finnmark tjener som et eksempel til etterfølgelse for regjeringas prestisjereform fritt behandlingsvalg? Den avtalen som representanten tar opp, ble inngått av HELFO under forrige regjering. Den er også i det systemet som Arbeiderpartiet tar til orde for at vi skal ha mer av. Vi skal innføre fritt behandlingsvalg. Det vil innebære at vi setter prisene under det som er vanlige anbudspriser som en oppnår på denne måten. Dermed unngår en den type situasjoner som den som her beskrives, fra Finnmark. Det er en av grunnene til at jeg i høringsutkastet på dette området har justert forslaget til fritt behandlingsvalg for å ha en tøffere prispolitikk overfor de private aktørene, mens Arbeiderpartiets budsjettsforslag jo legger til rette for mer av det systemet som vi ser i Finnmark.

fungerer sånn vi hadde tenkt. Det er et viktig verktøy for å oppnå pasientens helsetjenester. Pasientopplysninger kommer på avveier eller på feil pasient. Mitt spørsmål til statsråden er: Vil statsråden ta noen nasjonale grep for IKT-løsninger i framtiden, sånn at det ikke blir opp til hvert enkelt helseforetak eller hver enkelt fastlege å velge IKT-løsninger, og sånn at vi skal klare å løse IKT-utfordringene sammen med velferdsteknologi og sykehusbehandling? Svaret på det er ja. Derfor bestilte jeg, med en gang jeg ble helseminister, tre rapporter som beskriver utfordringsbildet på dette området, og det er i samsvar med det som senere kom fram i Riksrevisjonens rapport, og som det har vært oppslag om på TV2 nå. Det er også grunnen til at vi i år etablerer Nasjonal Helse IKT, som er lokalisert i Bergen, og som skal sikre en sterkere nasjonal styring av helseregionenes innføring av ny IKT. Vi har nå en full gjennomgang av bl.a. også Helsedirektoratets styringssystem. En av hovedhensiktene med det er å få involvert bl.a. kommunenes systemer. Lovendringen som Stortinget vedtok før sommeren, var et helt vesentlig skritt for faktisk å lage det lovmessige rammeverket for å kunne realisere dette, fordi nå er det også mulig at informasjon kan følge pasienten gjennom helsetjenesten. Så vi er i gang med å skape et nasjonalt styringssystem også for dette. Eg lyttar nøye når statsråden taler, og

men eg kjem berre på tiltak som regjeringa har kutta: Dei har kutta frukt og grønt, løyveordninga for tobakk og bemanningskravet for solarium. Dei har auka taxfree-kvotane for alkohol, liberalisert opningstider og sendt ut forslag om å liberalisera reklamereglane for alkohol Dei skal styrkja skulehelsetenesta, men det er ikkje primærførebygging, så eg vil spørja statsråden: Har regjeringa kome med eitt forslag innan primærførebygging i året som har gått? Jeg mener at i det statsbudsjettet som Stortinget nå er i ferd med å behandle, ligger det en betydelig satsing på folkehelsen, som er forsterket i budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det ligger i det å skape en god skole som har høy kvalitet, for det å ikke lykkes i skolen og ha frafall fra videregående skole er noe av det som gir noen av de største folkehelseutfordringene vi har. Det ligger en styrking av kvaliteten i barnehagene, noe som er en betydelig folkehelsesatsing. Det ligger en styrking av friluftslivsaktiviteter. Nå går vi inn i friluftslivets år. Det ligger en betydelig satsing på idrett, som også er viktig i folkehelsearbeidet. Det ligger en styrking knyttet til utbyggingen av sykkel- og gangstier, som er viktig i folkehelsearbeidet. Og skal en ta det ekstra langt, kan jeg også si at det er en styrking av utbyggingen av skogstier og skogsbilveier, som Senterpartiet også er veldig for. Få veier blir brukt så mye til turgåing, jogging og sykling som dem. Så det ligger veldig mye bra folkehelsepolitikk i dette

Førde. I svaret fra statsråden går det fram at det har vært en aktivitetsvekst i 2014 innenfor psykisk helse, knyttet til tilbudet både for barn og unge og for voksne. Men i regnskapstallene for 2014 går det fram at den økonomiske veksten innenfor somatikk er på 7 pst., og at den innenfor psykisk helse er på 1–1,5 pst. Spørsmålet er om statsråden er bekymret for disse underliggende vekstfaktorene knyttet til lønn, teknisk utstyr, bygg og

Jeg tror ingen kommer til å gjøre det av den grunn, men jeg trodde jo at hensikten med rabattordningen var det motsatte, nemlig at det skulle bli mer attraktivt å velge enkeltromsløsninger for kommunene. Når vi i tillegg vet at bl.a. Pensjonistforbundet og mange eldre ser på denne ordningen som en form for legitimering fra regjeringens side av ufrivillig dobbeltrom, må vi vel kunne oppsummere med at den ordningen har vært en fiasko. Mitt spørsmål til helseministeren er om han vil avskaffe rabattordningen.

at hvis man blir plassert på dobbeltrom mot sin vilje – og det vet vi jo at en del eldre blir – er det helt urimelig at man må betale en så stor andel av pensjonen sin, og like mye som dem som får et enkeltrom. Hensikten her er både å gjøre det mindre økonomisk attraktivt for kommunene å bruke dobbeltrom, det har vi oppnådd, og samtidig gi en liten kompensasjon til dem som mot sin vilje havner på dobbeltrom. Det mener jeg rett og slett handler om rettferdighet.

i tillegg til en laber satsing på folkehelse og kommuner i skvis. Likevel – la meg ta med det jeg syns er positivt med regjeringas opplegg. Det er bra at man skal rulle ut bredt standardiserte pasientforløp for kreftbehandling, etter modell av såkalte pakkeforløp. Slike forløp for behandling ble også nedfelt i den rød-grønne regjeringas kreftstrategi fra 2013, og på Universitetssykehuset Nord-Norge har man prøvd ut slike forløp fra 2010 for flere kreftformer, med gode resultater. Jeg syns det er bra at fastlegene nå skal med i pakkeforløpet. Vi veit at det ofte skorter på god samhandling mellom fastlegene og sykehusene. Men jeg håper at helseministeren også er tydelig i sin bestilling til de mange private røntgeninstituttene som har avtale med helseforetakene, og som gjerne skyver offentlig henviste pasienter ut i flere ukers venting, mens de som kan legge en ikke ubetydelig egenandel på bordet, får plass Her må det gå en tydelig og klar bestilling fra helseforetakene til private aktører, og det er helseministerens ansvar å påpeke dette i sin styringsdialog med de regionale helseforetakene. Ellers tror jeg at pakkeforløpene fort kan bli en skikkelig flopp. Men jeg tenker altså at helseministeren mener alvor når han sier at han vil skape pasientens helsetjeneste. Riktignok syns jeg det blir litt kleint og i overkant pompøst når han påstår at han er den første og eneste helseministeren i Norge som har satt pasienten i fokus. Sånne egenmeldinger blir gjerne både svulstige og litt ukledelige. Men la nå det ligge, det kan vi ta igjen en annen gang. Langt verre er det at mange av de virkemidlene som helseministeren foreslår, ikke understøtter ambisjonen om pasientens Jeg har allerede nevnt den skrale sykehusøkonomien, som ikke er dimensjonert for de utfordringene som sykehusene har. I tillegg adresserer ikke regjeringas opplegg den helseulikhet vi, tross gode velferdstjenester, fremdeles har i Norge. Det dreier seg ikke minst om å satse på kommuneøkonomien og på gode folkehelsetiltak. Derfor har Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett lagt inn mer penger til kommunene enn regjeringa med øremerka midler til helsestasjoner og skolehelsetjeneste. I tillegg til dette har vi en rekke tiltak til helsefremmende og forebyggende aktiviteter, herunder gjeninnføring av skolefrukt og oppstartsmidler til fysisk aktivitet i skolen, som også er nevnt fra denne talerstol før. Så må jeg kommentere regjeringas prestisjereform, såkalt fritt behandlingsvalg. Så å si hele Helse-Norge advarer mot denne reformen. Ja, til og Så å si hele Helse-Norge advarer mot denne reformen. Ja, til og med helseministerens eget departement har kritiske merknader. Til alt overmål har helseministeren tenkt at dette skal rulles ut for de mest sårbare pasientene – innen rus og psykiatri. I den forbindelse er Psykologforeningens høringsuttalelse veldig interessant. Foreninga er bekymret for at forslaget innenfor psykisk helse og rus kan hindre ønsket faglig utvikling og gi redusert kvalitet på tjenestene til Samtidig vil det kunne vanskeliggjøre god samhandling, svekke økonomistyringa og føre til økt byråkratisering. Gode faglige tilbud tilpasset den enkeltes behov er avhengig av samtidige bidrag og samtidig innsats og tett oppfølging fra kommunalt hold samt fra flere aktører og tjenester. Derfor advarer Psykologforeningen, i likhet med de fleste andre høringsinstanser, om at fritt behandlingsvalg vil komme til å svekke kvaliteten i behandlinga. Nettopp dette med samtidig innsats og samtidige bidrag er det som mangler i den saka i Finnmark, som jeg nevnte, og Psykologforeningen mener altså at her kan man også se dette som fritt behandlingsvalg. For øvrig vil jeg si til helseministeren at hvis han har tenkt å legge ned HELFO, burde han si det. Hvis ikke bør han gå at det er godt nok, og det vil han ha støtte for fra Arbeiderpartiet. Jeg syns saken med fritt behandlingsvalg viser at helseministerens ønske om å skape pasientens helsevesen trumfes av regjeringas nærmest tvangspregede privatiseringsideologi, hvor man overhodet ikke lytter, verken til faglige innvendinger eller sunn fornuft. Arbeiderpartiet har gjort et tydelig valg. Vi ønsker å bygge det offentlige helsevesenet enda sterkere, med gode Vi vil samarbeide med gode private aktører som supplement, både ideelle og kommersielle, basert på klare avtaler, definerte behov og politiske vedtak.

tempo. Dette er mulig takket være dem som jobber i helsevesenet, som jeg synes har kommet litt for lite fram her i dag. Det er de som forsker, og det er de som tør å tenke nytt. I dag blir mange friske etter en kreftdiagnose, og flere pasienter får økt livskvalitet ved at man kan skifte skulderledd, innsette hofteproteser og bli operert for grå stær, og med riktig behandling og god oppfølging blir pasienter med rusproblemer rusfrie. For regjeringen er det et mål at flere skal få ta del i denne utviklingen. For mange venter på behandling. Spesialisthelsetjenesten må videreutvikles slik at pasientens rettigheter styrkes og flere behandles. Vi må ha et større fokus på pasientens verdier, pasientens behov Det heter å sette pasienten i sentrum, ikke systemene. Det er ikke pompøst, det er faktisk helt nødvendig Vi ønsker å gi sykehusene økte bevilgninger, mulighet til lease utstyr, bruke ledig kapasitet hos private og prioritere dem som har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet. Vi ønsker at sykehusene skal ha mulighet til å behandle flere, det er det offentlige som er bærebjelken. bærebjelken. Det er derfor lagt til rette for aktivitetsvekst i sykehusene. Det har vært en høyere aktivitetsvekst i to budsjettår med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering enn det de rød-grønne la til rette for i sin periode. Det gjenstår to år, og jeg vil si at 2014 var året med den høyeste budsjettveksten til sykehus noensinne. Regjeringen vil gjøre flere grep for å øke aktiviteten i sykehusene og få ned køer. Sykehusene gis større fleksibilitet og kan nå inngå leieavtaler på inntil 100 mill. kr for medisinsk-teknisk utstyr. Man går vekk fra den strenge aktivitetsstyringen, og aktivitetstaket fjernes. Derfor kan sykehusene øke behandlingen dersom økonomien og kapasiteten tillater det. det. Det legges også til rette for økt behandling av pasienter ved at innsatsstyrt finansiering nå er økt fra 40 pst. til 50 pst. Det skal lønne seg å behandle flere pasienter. Vi vil utnytte all kapasitet i Helse-Norge og åpner derfor for at ideelle og private sykehus skal kunne behandle flere pasienter for det offentliges regning. Slik ønsker vi å demme opp for det todelte helsevesen som vokste fram under det rød-grønne styret – lik det eller ikke. Vi har begynt å se resultater, og det er 10 000 færre som venter. Pasienter som sliter med rusproblemer og psykiske lidelser, blir opprioritert av regjeringen. For å redusere køer ønsker vi en mer tilpasset behandling, og vi vil innføre reformen fritt behandlingsvalg. Det er heller ikke en prestisjereform; det er en nødvendig reform. Vi ønsker å gi pasientene mer makt og mobilisere til kapasitet hos både offentlige og private. Vi ønsker også å sette kreft i fokus. I Kreftregisterets årsrapport fra 2013 ble det oppgitt at det er ca. 30 000 krefttilfeller hvert år. Det var i 2011, og jeg er sikker på at disse tallene er omtrent de samme for 2012 og 2013. Å få en kreftdiagnose er ganske skremmende – ikke bare for den som får det, men også for pårørende. Om lag 10 000 dør årlig av kreft. Det er derfor et stort behov for å standardisere og systematisere behandlingen. Det er flott at regjeringen har satt dette høyt på dagsordenen. Bent Høie har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide pakkeforløp, eller behandlingsforløp, for kreft og diagnoseveiledere for fastlegene. I hvert pakkeforløp for kreft defineres hvor mange kalenderdager de ulike delene av forløpet skal ha. Det skal fjerne usikkerhet – og usikkerhet med hensyn til venting. pakkeforløp for kreft defineres hvor mange kalenderdager de ulike delene av forløpet skal ha. Det skal fjerne usikkerhet – og usikkerhet med hensyn til venting. Pakkerforløp for brystkreft, lungekreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft starter opp i 2015. Som tidligere år er det også i budsjettet forutsatt at enkelte tiltak også dekkes innenfor den foreslåtte rammen. Dette har vært kritisert av Arbeiderpartiet, senest i spørretimen. Men det er ikke noe nytt, det gjorde også regjeringen Stoltenberg i sine

Nå har vi en regjering som gjennom dette helsebudsjettet viser at mennesker er viktigere enn systemer. Denne regjeringen har levert mer på sine to første budsjetter enn hva den rød-grønne regjeringen klarte på åtte år når det gjelder pasientbehandling, til glede for tusenvis av brukere, pasienter og pårørende over hele landet. Våre eldre har kjempet frem goder vi i dag nyter godt av, tar som en selvfølge og er svært stolte av. Et velferdssamfunn, et trygt og gode helsetjenester for alle er opparbeidet gjennom generasjoner. Våre eldre fortjener en alderdom preget av verdighet, trygghet og omsorg. Men dessverre kan ikke alle holde seg friske på sine eldre dager: I dag har over 70 000 mennesker en demenssykdom, og mer enn 250 000 personer er pårørende til noen med demens. Antallet demenssyke øker drastisk. Vi må forberede oss på at denne gruppen mennesker vil bli større. Vi må sørge for at vi har kapasitet til å gi dem den tryggheten og omsorgen de fortjener. Dagtilbud gir mening og gode opplevelser for den enkelte, avlastning for pårørende og kan bidra til å utsette institusjonsinnleggelse. På vegne av pasienter, brukere og pårørende er jeg derfor glad for at regjeringen bevilger 62 mill. kr til 1 070 nye dagaktivitetsplasser for Dagtilbud bidrar til å imøtekomme ønsket til mange eldre om å få bo hjemme så lenge som mulig. Men på et tidspunkt vil mange med demens ha behov for en sykehjemsplass for egen og pårørendes trygghet. Vi kan ikke overlate hele dette ansvaret til kommunene. Derfor tar staten nå halve regningen når kommunene bygger heldøgns omsorgsplasser. Dette gir kommunene et tydelig incentiv til å utvide kapasiteten. Allerede nå ser vi resultater av regjeringens satsing. Per 31. oktober i år var det innvilget søknader for 500 flere heldøgns omsorgsplasser enn for hele fjoråret. Det ligger an til at vi klarer å nå våre mål om å øke byggetakten i eldreomsorgen. Dette viser at politisk vilje betyr resultater. Vilje skal vi fortsette å vise. Dette budsjettet legger opp til å bevilge penger til ytterligere 2 500 heldøgns omsorgsplasser i kommunene i 2015. Mange pårørende kjenner en lettelse når deres kjære får plass på sykehjem. Barn har ofte et ansvar for å ivareta sine foreldre, og selv om mange opplever det givende og trygt, kan det også være en belastning. Omsorgstjenestene skal ha god kvalitet og bidra til en verdig og givende hverdag. Eldre med demens har et behov for frihet og medbestemmelse. Dessverre ser vi eksempler i vår eldreomsorg som ikke er akseptable eller verdige, og det er altfor store variasjoner fra kommune til kommune. Kvaliteten på tjenestene til våre eldre skal ikke være avhengig av hvilken kommune man bor i. Et kompetanseløft i omsorgstjenestene er viktig for å styrke kvaliteten i eldreomsorgen. Derfor er jeg glad for at regjeringen har startet på Kompetanseløftet 2020 for å sikre riktig kompetanse i omsorgstjenestene. Våre eldre skal oppleve verdighet, trygghet og omsorg. Fokuset på systemer og sosialistiske prinsipper er borte fra regjeringskontorene, og det merker pasienter og brukere over hele landet. Fremskrittspartiet aksepterer og etter ett år i regjering har vi lagt grunnlaget for at flere eldre skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Vi bygger mer, vi løfter kvaliteten gjennom målrettede bevilgninger og utformer et kompetanseløft. Vi er godt i gang med å skape pasientens helsetjeneste. Høyre fikk tilslutning til sin retorikk om nye ideer og de trenger den. Vi bygger mer, vi løfter kvaliteten gjennom målrettede bevilgninger og utformer et kompetanseløft. Vi er godt i gang med å skape pasientens helsetjeneste. Høyre fikk tilslutning til sin retorikk om nye ideer og bedre løsninger ved valget i fjor – det ble med retorikken. Løsningene som presenteres innen velferdspolitikken, herunder helsepolitikken, er verken For å få folk friskere og samtidig spare samfunnet for store reparasjonsutgifter må en føre en ny, bedre og forsterket folkehelsepolitikk. Det vil Arbeiderpartiet. En god folkehelsepolitikk handler om hva en gjør for f.eks. kosthold og fysisk aktivitet i skole og barnehage og for skolehelsetjenesten, og hvordan en legger til rette for den organiserte idretten og Forebygging og tidlig innsats er avgjørende. Derfor vil vi i Arbeiderpartiet gjeninnføre frukt og grønt i skolen – fordi vi vet at det er positivt med hensyn til helse og læring. Vi vil øremerke midler til skolehelsehelsetjenesten for å være sikker på at ressursene går til dette og ikke til noe annet. Vi vil også bruke mer midler på fysisk aktivitet i skolen fordi vi vet at mange barn og ungdom er for lite i bevegelse og aktivitet. I tillegg vil vi prioritere et ekstra løft for idrettsanlegg og friluftsliv. Når vi vet hvor viktig det er å satse på en god folkehelse, er det spesielt at regjeringa er mer opptatt av at mennesker som ikke benytter taxfree-kvoter til tobakk, skal få bytte den inn i mer taxfree-øl, rusbrus eller vin. Samtidig fjernes gratis frukt og grønt i skolene.

effektivisere og lette arbeidet for brukere og pårørende er velfungerende koordinatorer i kommunene. Selv om dette er en lovpålagt oppgave som er tydelig definert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, er det svært varierende fra kommune til kommune hvordan det fungerer. Det er derfor skuffende at regjeringspartiene, Folkeparti og Venstre ikke støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å styrke koordinatorfunksjonene i kommunene for brukere med store behov og deres familier for å sikre tett og samordnet oppfølging. Regjeringa får mye velfortjent ris for stort sett å bringe Norge i feil retning. Det er derfor hyggelig å kunne gi litt ros på tampen av dette innlegget. Arbeiderpartiet støtter en del av det Arbeiderpartiet støtter en del av det som kom som resultat av budsjettforliket. Jeg vil trekke fram to av disse: Sammen om nøden er et viktig lavterskeltilbud for bl.a. mennesker med rusutfordringer. Dette prosjektet drives av IOGT i samarbeid med kommuner, næringslivet, organisasjoner og frivillige på flere steder i Norge. Vi er glad for at dette viktige tiltaket får økt bevilgningen over statsbudsjettet med 2 mill. kr utover dagens nivå. Den andre saken er, som mange har vært inne på i dag, prioriteringen av palliativ behandling, herunder støtten til organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, JLOB. Det er viktig at denne organisasjonen får mulighet til å videreutvikle sitt arbeid, ikke minst med hensyn til kompetanseoverføring til primær- og spesialisthelsetjenesten. Ingen ting er viktigere enn et best mulig tilbud til døende barn og unge og deres

Noe av det første vi gjorde da vi tiltrådte regjering, var å sette inn tiltak for å løfte fram i helsekøen personer med rusproblemer og psykiske helseproblemer. Vi gjeninnførte den gylne regelen om at helseforetakene skal prioritere rus og psykisk helse, en regel som de rød-grønne hadde fjernet. Under den rød-grønne regjeringen vokste dessverre Av ideologiske grunner sto ledige plasser hos private aktører ubrukt. Regjeringen vil ha et taktskifte innen helsepolitikken. Vi vil sette pasienten foran systemet. Behovet for nye løsninger er derfor påkrevd. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre er vi godt i gang med å styrke det sosiale sikkerhetsnettet rundt personer med rusproblemer og psykiske Det er også hyggelig å kunne lese at fastlegene i en rykende fersk undersøkelse, «Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre», gir de distriktspsykiatriske sentrene i Helse Midt-Norge beste score, sammenlignet med resten av landet. Dette gir gode signaler om at gjeninntredelsen av den gylne regelen virker. I undersøkelsen vurderte fastlegene bemanning, epikriser, ventetid, veiledning, akutte situasjoner, kompetanse og henvisninger. På seks av de sju områdene skårer DPS-ene i Helse Midt-Norge høyest, med kompetanse på topp. Lavest score ble gitt på henvisninger. Undersøkelsen viser en positiv utvikling, men at det er rom for forbedring. Dette forventer jeg at regjeringens sterke føringer inn mot helseforetakene og fritt behandlingsvalg vil bidra til. Jeg har nå vist til regjeringens økte satsing på behandling av rusproblemer og psykiske helseproblemer i helseforetakene og regjeringens tilrettelegging for økt rehabilitering, med større mangfold og fritt behandlingsvalg. satsing på forebygging innen rus og psykisk helse startet allerede ved tiltredelse høsten 2013, da vi reverserte satsingen på psykisk helse i skolen, et tiltak som de rød-grønne hadde fjernet. Forebyggende helse til barn og unge har høy prioritet i regjeringen, og er i begge budsjettene styrket gjennom økt satsing på områdene rus, psykisk helse, helsesøster og skolehelsetjenesten. Jeg er glad for at budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre bidro til en ytterligere styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. At det nå bevilges 270 mill. kr i 2015, kan innebære om lag 400–450 nye årsverk, avhengig av yrkesgruppe. Dette kommer i tillegg til styrkingen i inneværende års budsjett på de rød-grønne øremerkingen av over 300 mill. kr til kommunalt rusarbeid. Disse midlene gjeninnførte regjeringen for inneværende år, og vi øker bevilgningen for 2015 til over 450 mill. kr, alt øremerket kommunalt rusarbeid. Denne økningen understreker regjeringens tydelige satsing på rus og psykisk helse, en økning som ble forsterket i budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre. Vi mener at kommunene i større grad enn i dag bør etablere samarbeid med frivillige og ideelle aktører innenfor rus og psykisk helse. Jeg er derfor glad for at tilskudd til frivillige organisasjoner innen rus og psykisk helse ble styrket med 30 mill. kr som følge av forliket. Regjeringen vil ha økt satsing på forebyggende helse. Vi vil fremme en folkehelsemelding og en egen ungdomshelsestrategi, som begge vil være viktige i det forebyggende arbeidet og for å få flere unge fra trygd til arbeid. I tillegg vil den meldte primærhelsemeldingen og opptrappingsplanen for rus bidra til å styrke dette viktige arbeidet i kommunene. Jeg hadde først lyst til å si at jeg synes det i utgangspunktet er et godt helsebudsjett, som bygger på en god helsepolitikk som har vært ført i mange år. Men jeg må være ærlig her og si, til liks med veldig mange andre, at det svarer ikke helt til de forventningene som spesielt Høyre skapte under valgkampen. Da var det i alle fall helt tydelig at sykehusene skulle styrkes, og det skulle bli en langt mer offensiv helsepolitikk også i kommunene. Det vi registrerer nå, er at mange sykehus sliter med økonomien og å få endene til å møtes. Jeg har hatt kontakt med Helse Bergen, som er det nærmeste for mitt vedkommende. De har bl.a. overtatt alt ansvar for LAR uten at det er kompensert med én krone – det kommer bare inn i den store sekken – så de har budsjettert med 40 mill. kr ekstra bare for Arbeiderpartiet velger å styrke både sykehusbudsjettene og ikke minst kommuneøkonomien fordi vi ønsker å stå ved de valgløftene vi ga under valgkampen, og fordi vi ser hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder helse. Vi ser også at helse utgjør en av hovedkildene når det gjelder sosial ulikhet. Derfor ønsker vi, og det har man sikkert registrert etter de ulike innspillene og den debatten vi har hatt – i alle fall i merknadsutvekslingen vi har hatt i komiteen – å fokusere mer på tidlig innsats, på forebygging og ikke minst på å rette tiltakene inn mot barn og unge. Vi mener at det er en av de viktigste God kommuneøkonomi er helt avgjørende for å investere i gode barnehager. Vi har fått tilbakemeldinger når vi har reist rundt i kommunene, ikke minst i Høyre-kommuner, om at barnehager kanskje er et av de viktigste tiltakene når det gjelder forebygging, men også mat i skolen, mer fysisk aktivitet, breddeidrett og lavterskeltilbud som helsestasjoner og skolehelsetjeneste som treffer alle. Nye tall fra KS viser at skatteinntektene inn til kommunene ligger an til å bli 2,8 mrd. kr lavere enn budsjettert. Kommuneøkonomien ser ut til å bli enda verre enn det kommunestyrene rundt om i landet legger opp til når de har sine kommunestyremøter i disse tider. Mens regjeringen prioriterer skattelette, prioriterer Arbeiderpartiet investering i framtiden til barn Jeg hørte også at spesielt helseministeren var opptatt av å flytte makt. Samhandlingsreformen var nettopp et slikt grep for å flytte makt mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for å tilrettelegge gode helsetilbud til innbyggere som har utfordringer i hverdagen sin. Da trenger man å bruke økonomi som et av de sterkeste incentivene for nettopp å få en vridning. Derfor forundrer det Arbeiderpartiet at regjeringen på så kort tid velger å bruke sin handlekraft til å frata kommunene medfinansiering. Vi vet at den ikke var 100 pst. vellykket, men det pågår et arbeid for også å se hvordan vi kunne rette den opp. Så hvorfor fjerne den i stedet for å sette inn tiltak for å rette den opp, nettopp for å prøve å få en bedre likevekt mellom primærhelsetjenesten og

psykiatri, noe vi har fått tilbakemelding på at er særs vellykket. Til slutt vil jeg trekke fram velferdsteknologi. Vi beklager at man snevrer inn og kun vil ha sikkerhetspakker, man ikke tør å ha litt større ambisjoner med å rette inn tiltakene for å se på hvordan man kan bruke dem når det gjelder å øke brukermedvirkningen, slik som de to kommunene som har kommet lengst, Lindås og Lista, har fått til. Der trenger vi kanskje nasjonal koordinering i tillegg til å delegere det ned til Fylkesmannen.

Det har vært ondsinnete journalister, det har vært dårlig mediearbeid fra departementene og fra partigruppene. Men min personlige favoritt – det er også statsministerens og finansministerens favoritt – er at folk har misforstått. I den siste runden fra regjeringen, etter at de nå har gått noen runder med samarbeidspartiene, fikk vi både i plastikkpose og i sekk. i sekk. Sekkepostene på statsbudsjettet bærer preg av at det er store ord og skjulte kutt. Og vi to, president, vi vet jo at det de trenger, de som har ventet lengst på hjelp, er hjelp og behandling, ikke tomme ord eller triksing med enig med dem som sier at det har vært et taktskifte i helsepolitikken og i styringen av dette landet. Det har vært som å bytte en totaktsmotor med en firetakter: det er halv fart. Arbeiderpartiet foreslår derfor i sitt alternative statsbudsjett å øke takten betydelig. Vi gir sykehusene handlingsrom til å hjelpe flere som sliter, og som har møtt veggen. Vi ønsker å bygge ut folk flest sitt helsevesen og ha tilbud av høy kvalitet. kvalitet. Det er derfor vi legger fram et helhetlig alternativ fra Arbeiderpartiet – et løfte. Det er et løfte til det norske folk om at vi vil noe annet med Norge enn det Høyre og Fremskrittspartiet vil. Arbeiderpartiet vil at Norge skal være på sitt aller beste, der vi utvikler tilbudet til hver enkelt gjennom et sterkt fellesskap. Det kan vi ved å ha flere kliniske forsøk i norske sykehus, ved å ansette flere leger i turnusstillinger. Med hardt arbeid skal vi bygge kompetanse og flere Center of excellence, som det heter på godt norsk. Vi skal aldri være fornøyd før vi kan tilby alle i Norge den beste behandlingen som finnes. Flere skal overleve kreft, og innsatsen som pårørende yter i sykdomsforløpet til sine nærmeste, skal bli mer verdsatt og pårørende tatt vare på. Løsningene på våre utfordringer, på Norges utfordringer, er ikke skattekutt til 1 pst.-klubben i Norge. Løsningene er ikke mindre penger til sykehusene, hvis vi ønsker færre korridorpasienter. Stykkprisfinansieringen øker med Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Kravet til å levere penger tilbake til Helsedepartementet i stedet for til pasienten øker etter at samarbeidspartiene har vært i forhandlinger. Derfor er det med stor interesse vi, som den reelle opposisjonen, følger med på hva Høyre og Fremskrittspartiet egentlig legger i pasientens helsevesen, for de borgerlige partienes store budsjettendring i helsebudsjettet, bortsett fra Samhandlingsreformen, er effektiviseringskravet på 625 mill. kr. Det kommer selvsagt i tillegg til at man i budsjettforliket lar skattekuttene nærmest stå uberørt, samtidig som man kutter ytterligere til sykehusene. St. Olavs hosptial melder allerede om at man vil kutte i Vi har ikke misforstått. Vi har forstått signalene fra det norske folk, for vi ønsker å bygge Norge, ikke å kutte i Norge. Vi ønsker at Norge fortsatt skal være verdens beste land å bo i, at det ikke skal være en tidligere Derfor skal Arbeiderpartiet holde løftet om å ha en politikk der vi tar helsen med i alt vi gjør. Det skal være helsefremmende å gå i barnehagen, og man skal bli mer motivert og få gode minner av å gå på skolen. Vi skal ha et trygt og helsefremmende arbeidsliv. Dette er en erkjennelse av at din, min og folkets helse er et personlig ansvar, men det er også fellesskapets ansvar. Vi har målet klart og tydelig i sikte, og det skal vi nå:

man gikk til valg i perioden 2005–2013 og lovte velgerne 12 000 nye arbeidsplasser i omsorgssektoren. Det korrekte tallet var 567. Det ble resultatet: fra 12 000 til 567. Videre sier representanten at denne regjeringen gir færre penger til sykehusene. Nei, man gir over 2 mrd. kr ekstra til sykehusene, nettopp slik at man skal få pasientvekst. Også der har representanten Otterstad helt rett, for man var veldig god på

Så gikk det åtte år uten at noe skjedde. Så fikk vi en ny regjering, og nå blir denne grensen økt til 25 mill. kr, fra 5 mill. kr. Og det er kjempeflott at det er en enstemmig komité, en som mener at dette er på høy tid, som mener at dette er riktig, slik at folk får bedre og raskere tilgang til gode og innovative medisiner. Ja, resultatet teller, men – som sagt – av og til blir det resultatet man oppnår, feil. Norske pasienter måtte vente i åtte år før man fikk disse tingene på plass. Det er veldig mye som er bra i norsk helsevesen, men det er også mye i norsk helsevesen som man er nødt til å gripe fatt i. Vi er nødt til å sørge for, og det har denne regjeringen nå gjort, at den gylne regel blir gjeninnført innenfor helsevesenet: at veksten innenfor rus og psykiatri skal være større enn veksten innenfor somatikken, nettopp for å heve dem som har de største utfordringene, og som sitter nederst ved bordet. Ja, viktig. Derfor var det trist at det da denne regjeringen tok over, var over 4 000 mennesker som sto i kø og ventet på å komme inn til rusbehandling for å bli fullstendig rusfrie. Jeg er helt enig i at vi skal jobbe etter resultat. Men da må vi sørge for at vi fører en politikk som gjør det bedre, som sørger for at flere får behandling, at færre må stå i kø, at man kan få lov til å velge. Vi har den rette politikken for å komme videre med dette systemet. Vi vil skape pasientens helsetjeneste for å gi rask behandling og trygge tjenester fremover. Vi vil flytte makt fra systemet til pasienten og vil derfor samarbeide med alle gode

Det er ingen tvil om at vi politikere har makt til å styre de lange linjene, regelverk og bevilgningene til helse. Vi må aldri glemme at det er fagpersoner som driver helsetjenesten fra dag til dag. Enkelte tror at noe er gjort idet det blir vedtatt. Det er feil, det er da jobben begynner. Får man ikke et godt samarbeid og felles forståelse med dem som har skoene på, blir det vanskelig med overordnet styring av helsetjenesten. Det blir i tillegg vanskeligere å være pasient. er i grunnen underlig at så lite av helsedebatten dreier seg om pasienter og de ansatte som behandler dem. Helsetjenesten følger oss fra vugge til grav, den er med oss i glede og sorg. Det som betyr noe for pasientene, er hvordan de blir møtt i helsetjenesten. Dette er sannhetens øyeblikk, der pasienten møter sin lege, der syke får sin pleie, der den som sliter, møter sin terapeut. Litt for ofte hører vi om pasienter som opplever tilfeldig behandling, uklare beskjeder og dårlig informasjon. der den som sliter, møter sin terapeut. Litt for ofte hører vi om pasienter som opplever tilfeldig behandling, uklare beskjeder og dårlig informasjon. Innen kreftomsorgen er det ekstra ille når slike ting skjer. Derfor er regjeringens satsing på pakkeforløp et godt eksempel på hvordan vi må arbeide framover. Usikkerhet om behandlingsforløp ryddes av veien. Både pasient og ansvarlig lege blir tryggere. Dette sparer åpenbart pasientene for usikkerhet. Det hindrer feil og gir mindre frustrasjon i en ellers vanskelig situasjon. I tillegg sparer vi både personell og økonomiske mindre snakk om hvordan de brukes. Vi burde være mer opptatt av det siste. Bruker vi ressursene rett, og hva kan vi gjøre for å få et system som flyter lettere, og er mer pasienttilpasset? Vi vil ikke ha et todelt helsevesen, slik som de rød-grønne legger opp til. Vi vil at den som har rett til behandling, skal få det, uavhengig av om det er ved en offentlig, ideell eller privat institusjon. Den delen av debatten koker ned til om en har tillit til at private aktører i helsevesenet har gode intensjoner for pasientene eller ikke, eller om de som arbeider i den delen av helsevesenet, føler seg like bundet av regler, etikk og moral som resten, eller om en aksepterer at folk er forskjellige, og gjerne har forskjellige preferanser. Høyre har tillit til alle deler av norsk helsevesen. Vi stoler på helsepersonellet i Norge, og vi vet at våre innbyggere kan og vil ta forskjellige

fremskrittspartisaker. Jeg må si jeg er glad for at regjeringen og stortingsflertallet setter pasientenes behov i sentrum og tar i bruk alle gode behandlingstilbud, også private og ideelle. I årevis har vi fått høre fra arbeiderpartihold at med Fremskrittspartiets politikk ville det være den enkeltes lommebok som ville avgjøre når en fikk behandling. Dette budsjettet viser til fulle at det er det motsatte som skjer. Regjeringen innfører fritt behandlingsvalg i 2015, først for rus, psykiatri og noe somatisk behandling. Fritt behandlingsvalg vil gi pasienter som opplever lang venting i det offentlige, muligheten til å velge å bli behandlet av private og ideelle aktører med ledig kapasitet. Og verdt å merke seg er at behandlingen skal skje uten at pasienten selv skal måtte betale, uansett om den skjer på offentlig eller privat behandlingssted. Regjeringen har med dette budsjettet lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre to første budsjetter sammenlignet med hva de rød-grønne fikk vedtatt gjennom sine åtte år. For å ha en god helsesektor på alle nivå kommer vi ikke utenom betydningen av å ha gode og tilstrekkelig med helseutdanninger. Helse- og omsorgssektoren er personell- og kompetanseintensiv og krever stadig mer arbeidskraft.

Dette vil bidra til å øke rekruttering, styrke kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene. For å ivareta en helse- og omsorgssektor med god kvalitet er regjeringen i gang med å utvikle et nytt kompetanseløft for perioden 2016–2020. Planen skal bidra til å sikre at omsorgssektoren har tilstrekkelig og kompetent bemanning og bidra til utvikling av en faglig sterk omsorgstjeneste, noe

Enda merkeligere er forklaringa som talspersoner for regjeringspartia vartet opp med, at man nå skal sluse mesteparten av de 30 mill. kr som lå i potten til Den kulturelle spaserstokken, inn på fylkesmennenes budsjetter. Det store spørsmålet er sjølsagt hva midlene hadde der å gjøre. Det oppklarte kulturministeren da hun i en tv-debatt kunne fortelle at pengene skulle gå til musikkterapi. Andre snakket om at nå skulle de ansatte i sykehjem og omsorgstjeneste lære seg å underholde de eldre. Mens jeg sitter med en beklemmende følelse av at det som er problematisk for de blå-blå, er at det var den rød-grønne regjeringa som etablerte denne fine og svært vellykkede ordninga. For hvordan skal man ellers tolke de ytterst pinlige forklaringene som har kommet om alternativ bruk av midlene til Den kulturelle spaserstokken. Ta nå kulturministerens forslag om musikkterapi. Det er jo en helseprofesjon som krever mastergrad, dvs. en femårig akademisk utdannelse. Det er per i dag ganske få musikkterapeuter her i landet. Skulle man løfte dette yrket – og det er det god grunn til – burde man styrke utdanninga samt øremerke midler til kommunene, slik at man kunne ansette musikkterapeuter. Retorikken om at de ansatte på sykehjem skal lære seg å synge for beboerne, kan med fordel dempes, før man bringer i fullstendig vanry det viktige arbeidet som foregår mange steder med å utvikle metoder for bruk av sang, billedkunst, film og poesi i omsorgen, f.eks. for demente. Skal man løfte dette arbeidet, bør man heller bevilge noen flere kroner til de 40 utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester som vi har i alle fylkene. Her fins allerede mange spennende kulturprosjekter som trenger penger til formidling bredt ut i kommunene. Og så et ord på tampen: Til alle som tror at Den kulturelle spaserstokken er gjennom budsjettforhandlingene i høst, vil jeg bare si: Drøm søtt! Spaserstokkpengene er sluset inn i rammen til fylkene med ønske om god jul og godt nytt år. De er med andre ord ikke øremerket, noe som i Arbeiderpartiets alternative budsjett fremdeles er tilfellet. Og når vi vet hvordan fylkesbudsjettene ser ut, da skjønner alle at Den kulturelle spaserstokken ikke har nubbesjanse. Så derfor, til Kristelig Folkeparti og andre som har sett hvor viktig denne ordninga er for de mest sårbare av oss: spaserstokken er knekt, ordninga er i realiteten avviklet, i alle fall på sikt. Trist, men dessverre sant. Neste taler er Kristin Ørmen Johansen.

Hva betyr det å sette pasienten i sentrum og utvikle en helsetjeneste rundt pasienten? Det betyr at de store systemene som vi har i dag, må dreies slik at det er pasienten som faktisk får kontroll over sin egen hverdag, sin egen helse og ikke minst når det gjelder behandling. Kreftpakkene er en del av det, de skal både gi trygghet og ikke minst en ramme rundt behandlingene. Det betyr også at vi ønsker å innføre flere rettigheter. Høyre har alltid vært en pådriver for det, og det var Høyre og Fremskrittspartiet som foreslo fritt sykehusvalg. Det fikk vi også med oss Kristelig Folkeparti og Venstre på, og det var de som foreslo frister for behandling.

etter. Jeg får inntrykk av i dag at Arbeiderpartiet har en mer ideologisk tilnærming til helsevesenet, og ikke til pasientene som personer. I den forbindelse har jeg lyst til å gå tilbake til det replikkordskiftet som Torgeir Micaelsen og jeg hadde, der det sies at man vil tenke nytt når det gjelder å få flere inn i behandling i rusomsorgen. Men noen ganger må man faktisk omstille og prøve nye ting nettopp for å få flere pasienter i behandling. Det ser jeg ikke at Arbeiderpartiet er villig til å gjøre. Det blir laget et slags skrekkscenario om at her skal man få masse privatisering. Jeg bare minner om at det er under 10 pst. av behandlingen i dag som foregår ved ideelle eller private organisasjoner. Når det er sagt, ønsker vi selvsagt å styrke de offentlige sykehusene, og vi har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre første to budsjetter sammenlignet med hva de rød-grønne fikk vedtatt. Så det nytter ikke å komme med en fortelling om at her er det dårlig stilt for sykehusene. De får mer midler til behandling, og vi ønsker også å trappe opp det etter hvert. Den største bevilgningen i helse- og omsorgskomiteens budsjett er bevilgningen til de regionale helseforetakene – 132 mrd. av totalt 174 mrd. kr i utgifter. Under overskrifta i innstillinga «Redusert helsekø og raskere behandling» heter det fra Høyre og Fremskrittspartiet at de vil «ta alle gode krefter i bruk for å redusere unødvendig venting og sørge for raskere behandling». Svaret er altså fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten i 2015, først innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern samt innenfor enkelte områder i somatikken – bevilgningen er på 150 mill. kr. Senterpartiet går imot dette og vil videreføre et godt system hvor den statlige spesialisthelsetjenesten har et sørge-for-ansvar, hvor private ideelle og kommersielle selskap i dag får utbetalt om lag 10 pst., eller mer enn 10 mrd. kr, av bevilgningene til de regionale helseforetakene. Men Senterpartiet vil ikke bare videreføre, vi vil også endre. Hva er så Senterpartiets endring for å redusere helsekøene og få raskere behandling? Svaret er bedre ledelse, bedre ledelse i Jeg har her erfaringene fra kontrollkomiteens behandling av en rekke riksrevisjonsrapporter å vise til. Men regjeringa, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttespillere, satser ikke på dette. Etter å ha fulgt debatten i dag står det for meg som forunderlig at nesten ikke en eneste en har nevnt ordet «ledelse». Ledelse er knapt nevnt av noen av samarbeidspartienes representanter, og det står for meg som veldig sterkt. Samarbeidspartiene mener at de statlig finansierte sykehusene tvert imot trenger utfordringer fra andre aktører – les private – sjøl om de statlig eide sykehusene skal stå for om lag 90 pst. av aktiviteten også i 2015, altså om lag 120 mrd. kr i statlige utgifter. Senterpartiet mener det er mye å hente på bedre ledelse i statlige virksomheter, enten det er i Nav, politiet eller sykehus, og vi satser på en såkalt operasjonsbasert ledelse. Det krever at ledelse og ansatte i fellesskap ser hva som er oppgaven, og i sykehusene er oppgaven møtet mellom pasient og behandler. Dette kan kraftig forbedres. Vi har en rekke områder hvor det er god ledelse i de offentlige sykehusene, men der har en gått over fra klinikkbasert ledelse til Ledelsen ved Ringerike sykehus har fått pris for det beste lederskapet. Det er med stor forundring jeg erfarer her i salen at det lederskapet ikke blir sett på som et forbilde – at man ikke lærer av det, forbedrer gjennom det gode eksemplet og sparer utrolig mye penger istedenfor å legge opp til det valg som regjeringa her gjør.

ikke er noe pasientene kjenner seg igjen i, pårørende kjenner seg igjen i, eller helsepersonell i omsorgstjenesten kjenner seg igjen i. Det er mye som fungerer bra – det var jeg inne på i mitt hovedinnlegg – men det er også svært mange rapporter som peker på store utfordringer i pleie- og omsorgssektoren i Norge. Det kan godt være at representantene fra Arbeiderpartiet ikke har lest disse rapportene. Det burde de gjøre. Det Det er rapporter som forteller om mangel på oppbygging av kompetanse og kunnskapsutvikling i omsorgssektoren og mangel på kapasitet. Derfor er det behov for et betydelig taktskifte. Vi er nødt til å ruste kommunehelsetjenesten til å bli faglig sterk og kompetent. Derfor sitter heller ikke denne regjeringen passivt og mottar tilsynsrapporter og meldinger, men iverksetter konkrete tiltak. Det handler om å løfte faglighet, og det handler om å løfte behovet for mer ledelse inn i omsorgssektoren. Vi har varslet i budsjettet at det kommer et nytt kompetanseløft for perioden 2016–2020, Kompetanseløftet 2020. Dette løftet skal bidra til å sikre at omsorgssektoren har tilstrekkelig og kompetent bemanning. De skal utvikle en faglig Representanten Knutsen var inne på Den kulturelle spaserstokken. Det er jo helt riktig at regjeringen foreslo å omdisponere midlene på helsebudsjettet til Den kulturelle spaserstokken, til mer individrettet bruk av musikk som behandling, særlig overfor demenspasienter. Men i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre ble midlene til Den kulturelle spaserstokken videreført over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, men slik at kommunene kan søke fylkeskommunene om midler til tiltak. Det er jo slik det foregår i dag. Så vidt jeg vet, er ikke disse midlene øremerket i dag heller. Jeg bor i en kommune som ikke har søkt om tilskudd til Den kulturelle spaserstokken på to år. Men kommunene kan fortsatt søke om midler over KMDs budsjetter. Det som er verdt å merke seg, er at Arbeiderpartiet i sitt budsjett har kuttet 15,4 mill. kr i midler, som vår regjering ønsker å benytte til kompetanseutvikling på bruk av musikk i pleien av demenspasienter – som vil redusere behovet for beroligende medisiner, som vil øke livskvaliteten for den enkelte – hvor musikkterapeutene, som representanten Knutsen var inne på, kan være med og bygge kompetanse i omsorgssektoren på dette området. Representanten Knutsen sier at dette ligger i rammen. Midlene er

opp en annen sak. Det har vært sagt av mange, og av flere i denne salen ganske mange ganger i dag: pasienten foran systemet. Det er bra. Men for dem som har sagt det, forplikter det også, for til tider er det ikke slik at brukerne, pårørende eller institusjoner opplever at pasienten kommer foran systemet. I at det er viktig at rus skal prioriteres. Det tror jeg vi alle er enige om. Vi driver avrusning, behandling og ettervern. Da er det en dame som jeg tenker på når jeg snakker om ettervern, som heter Grete Natalie Storm-Johansen. Hun sto som rusmisbruker nede på Plata her i Oslo for 16 år siden. Så Hun sto som rusmisbruker nede på Plata her i Oslo for 16 år siden. Så fikk hun avrusning, hun kom inn på behandlingsplass – noen ga henne opp og sendte henne andre steder. Til slutt fikk hun begynne et nytt liv, hun begynte å trene, tok helseutdanning og startet etter mange år et etterverntilbud som kan vise til ufattelig gode resultater. Alle ser at det Grete og menneskene rundt henne gjør, virker. Alt fra sykehus til kommuner sier dette. Folk får et treningstilbud, de får hjelp til jobb, hus og nye venner når de kommer ut og har blitt rusfrie. Men det Grete og pasientene opplever, er at ikke alle og alle kommuner synes at dette er like viktig. Hvis vi skal lykkes med vår rusomsorg, må vi ikke bare tenke avrusning og behandling, vi må også si ja til et vellykket ettervern. At Grete og hennes organisasjon No Limitation fikk 500 000 kr av vårt helsebudsjett, er bra, men jeg skulle ønske at vi fikk et pasientrettet helsevesen som så at et pasientrettet helsevesen som så at det var pasienten som sto først, og ikke systemene, og at ikke Nav-kontorene sier forskjellige ting når pasientene ber om hjelp fordi de ønsker et helt nytt liv. Mange talarar frå regjeringspartia har sagt at regjeringa vil skapa pasientens helseteneste og setja pasienten i sentrum. Det synest eg er

å leggja ned døgnbehandlingsplassar i psykiatrien før tilbodet er bygd opp i kommunane og ved DPS-ane. Å leggja ned Østmarka er ikkje pasientens helseteneste. Det er ikkje pasientens helseteneste å la vera å førebyggja sjukdom hos barn og unge og ta frukt og grønt frå skuleelevane, og det er ikkje pasientens helseteneste å nekta å innføra ein kommunal opptrappingsplan for psykisk helse, sjølv om behovet er veldig stort. Det er ikkje pasientens helseteneste å sørgja for meir billeg alkohol og utvida og det er ikkje pasientens helseteneste å byggja ned det offentlege helsevesenet til fordel for ein ideologisk styrt reform kalla fritt behandlingsval. Det er ikkje pasientens helseteneste å dreia ressursbruk og tilbod mot behandling av lettare lidingar slik at det går ut over pasientar med langvarige og samansette behov. Det er ikkje pasientens helseteneste å bidra til dyrare og mindre effektiv drift av dei offentlege sjukehusa ved at delar av den elektive verksemda vert overførte til private, mens ansvaret for Det er ikkje pasientens helseteneste å tappa dei offentlege sjukehusa for nødvendig kompetanse ved at viktige personellgrupper søkjer seg over til privat elektiv verksemd med mindre vaktbelastning, og det gagnar ikkje pasientens helseteneste å gjera det vanskeleg for utdanningssektoren, som har behov for fleire praksisplassar i ei stadig meir oppsplitta helseteneste. Det gagnar heller ikkje pasienten å påleggja offentlege sjukehus å utdanna personell

Da hadde Høyre vært i Sverige og lært av sitt svenske søsterparti, og vi fikk høre gang på gang på gang at nå var det «mennesker, ikke milliarder» som var Høyres politikk. Så vant de valget, og da kom fasiten: skattekutt for de rikeste, et budsjett for mennesker med milliarder. Dette er i samme gate. En skal ha pasientens helsetjeneste, pasientens helsevesen, og flytte makt fra systemet til pasienten. Alt dette er vi helt enig i. Men virkemidlet, det er altså fritt behandlingsvalg. Nå utdypet representanten Toppe dette på en glimrende måte i innlegget før meg, så jeg skal ikke gå i detaljer på det. Men mer marked hvem tjener på det? Det blir ikke økt kapasitet, sannsynligvis, med mer marked. Det er grunn til å frykte det motsatte. Det er grunn til å frykte at dette ikke blir pasientens helsevesen, at det blir det stikk motsatte. Det blir kanskje det for noen pasienter, men hva med alle de andre? Hvem støtter

Det minner meg litt om Høyres tilnærming til formuesskatt. De aller fleste økonomer i dette landet sier at man ikke bør redusere formuesskatten, men likevel gjør altså Høyre det. Så det såkalte kunnskapsbaserte partiet Høyre, som sier de lytter til faglighet, gjør det stikk motsatte når det gjelder formuesskatten, og de gjør det stikk motsatte når det gjelder helsepolitikken og det veivalget en nå vurderer å

Den lederen er de mange tusen avdelingsledere i sykehus og kommuner i Norge. Avdelingslederne er det avgjørende leddet i kjeden fra Stortinget ut til pasienten. Avdelingsledere må få på plass fagplaner, bemanningsplaner, økonomi, og de må få det til å gå opp. Jeg tror ikke avdelingsledere synes en vekst på 2 mrd. kr til sykehusene er det samme som en lovet vekst på 3 mrd. kr. Det er bare langt borte fra pasienten at to og tre er likeverdig. Derfor: Litt ydmykhet kler oss alle. Hovedinnleggene fra Fremskrittspartiet og Høyre i debatten i dag var kjemisk fri for ydmykhet om dette budsjettet – kjemisk Helseministeren selv hadde en annen tone og uttrykte bl.a. at budsjettet neste år ikke vil løse alle behovene for mennesker med psykiske lidelser. Og da vet statsråden at det er han som har ansvaret. Enkeltmennesker kan gjøre en forskjell, enkeltstatsråder kan gjøre en forskjell, og vi måler på handling og på resultat – også statsråder. Ord alene teller ikke, og jeg tror pasientene vil være enig i dette. Enkeltmennesker gjør en forskjell. Ekteparet Moser får i år nobelprisen i medisin. Vi er stolte, og det er deres bragd, med støtte fra deres universitet, NTNU, og med støtte fra noen rike mennesker – noen rike mennesker i Norge som har verdier på flere plan, som betaler både formuesskatt og finansierer forskning for fremtiden. Er det mulig for Norge å vinne en ny nobelpris? Hvordan kan et lite land gjøre en forskjell? Jeg tror det er mulig. Jeg mener vi må sette nye høye mål for demensforskning. Uten gjennombrudd i tidlig diagnostikk og behandling er fremtidens velferd

som framstår som fullstendig urimelig og ubegripelig, er det den sittende helseminister som må ta ansvar for å rydde opp. HELFO gjør en viktig jobb i norsk helsevesen, og jeg har ikke hørt at noen vil fjerne HELFO. Men hvis vi har mistanke om at praktisering av regelverk ikke er bra, eller regelverket bør endres, bør vi ta grep. Men helseministeren har så langt vendt blikket vekk for denne saka. Jeg synes ikke det lover godt dersom helseministeren skal være vaktbikkje for at det ikke skjer kommersielle eksesser i fritt behandlingsvalg, eller at det skal utvikle seg til et selgers marked. Representanten Lundteigen tok opp temaet ledelse, og jeg er

På nasjonalt nivå, hvis en ser tilbake på den IKT-styringen som har vært, minner det tilforlatelig mer om en nasjonal idémyldring. Kontrollkomiteens høring og Riksrevisjonens gjennomgang av elektronisk meldingsutveksling viser hvilke utfordringer som i hvert fall har vært, og som sannsynligvis er der, i mangel av nasjonal ledelse. Oppdragsdokumentene som er utviklet, og tildelingsbrevene, har inneholdt svært mange mål og ønsker. Det er krevende å være leder med en sånn mengde av ønsker. Ringerike sykehus er et godt eksempel på lokal ledelse. Ja, kanskje må det flere politifolk til for at vi skal skaffe fram gode ledere i helsevesenet. Vi er nødt til å dyrke flere typer ledere. For Venstres del tror vi at det er mulig å dyrke fram et mangfold og også læring og erfaring gjennom å ha ulike aktører, og i hvert fall ikke skape flere nasjonale mastodonter som det er krevende å lede. Når det gjelder den nasjonale ledelsen, har i hvert fall den nye regjeringa pekt på nasjonal helse-IKT som ett virkemiddel for å gjennomføre i større grad og skape mer standardiserte løsninger. En annen versjon av det er virkemiddel for å gjennomføre i større grad og skape mer standardiserte løsninger. En annen versjon av det er Sykehusbygg, så de sykehusene som vi skal bygge i framtida, ikke sitter med prosjektorganisasjoner som aldri har bygd sykehus før, og gjentar og gjør feil. Det er behov for å standardisere i mye større grad en del funksjoner innenfor helsevesenet. Når det gjelder forskning, er jeg enig med representanten Helseth i at vi har noen utfordringer. Vi har noen utfordringer også med å finansiere medisinsk forskning i sykehusene. Når det gjelder Moser som et eksempel, må vi vel dessverre innrømme at medisinen ikke har vært den største bidragsyteren til den forskningen. Det er i hovedsak naturvitenskapelige forskning og private midler som har bidratt til den forskningen. Så her har vi en strukturjobb å gjøre. Kristin Ørmen Johnsen Johnsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Ydmykhet er en vanskelig øvelse. Jeg er enig i at vi alle kan være ydmyke, men det gjelder også Arbeiderpartiet. Jeg savner fortsatt litt ydmykhet i forhold til å tenke nytt og kanskje se litt nærmere på fritt behandlingsvalg. Man kan kanskje klare å se noe positivt også ved den ordningen. Så til dette med skatt.

at selv om man gjentar en ting flere ganger, betyr det ikke at det blir mer sant. Jeg er veldig opptatt av resultat, og jeg er egentlig veldig glad for at gruppelederen fra Fremskrittspartiet tok tak i for jeg er helt enig: Favorittperioden i Arbeiderpartiets historie er for meg 2005–2013, så jeg er veldig glad for at gruppelederen har lyst til å diskutere den perioden med meg. Vi behandlet utrolig mange flere pasienter, vi bygde sykehus så det sang etter – som f.eks. St. Olavs Hospital, som regjeringen med Høyre som det siste den gjorde før den gikk av, bygd ut et helsevesen og behandlet utrolig mange mennesker som trengte å få hjelp. Men vi kom aldri i mål, og det er derfor vi i dag har vært enige om at politikken er noe som stadig er i bevegelse og utvikler seg. Det er en av grunnene til at vi fortsatt stiller til valg. Spesifikt til det om sykehjemsplasser: Jeg er helt enig med representanten Nesvik i at vi har en stor jobb å gjøre. Men la oss ta en tilfeldig valgt kommune som jeg kjenner litt godt, si Trondheim. Hvis alle hadde bygd like mange sykehjemsplasser som Trondheim kommune – i forhold til størrelse – hadde det vært bygd 11 500 sykehjemsplasser i perioden vi snakker om, altså nesten helt i mål. Så kan vi sammenligne med en tilfeldig valgt kommune som vi er i nå, f.eks. Oslo, som har lagt ned over 400 sykehjemsplasser.

med å snakke om forebygging. Representanten Ørmen Johnsen har også etterlyst det fra oss, dette at vi ikke snakker om pasienten. Men vi snakker om menneskene. Vi tar opp det som Arbeiderpartiet har etterlyst i hele denne debatten, det er den forebyggende biten. Man er jo et menneske før man blir pasient også. Det er derfor vi foreslår å øremerke midler til skolehelsetjenesten, slik at man skal se alle menneskene før de blir en del av helsetjenesten. Det er det folkehelsen handler om.

Jeg kom inn på Stortinget i 1997 og gikk direkte inn i sosialkomiteen, som hadde ansvaret for sykehusene. Det var i den perioden vi diskuterte St. Olavs Hospital. Det var i den perioden man satte i gang byggingen av St. Olavs Hospital. St. Olavs Hospital var et prosjekt som man arvet fra fylkeskommunene, så beslutningene var der allerede. Så fikk man penger på bordet, allerede. Så fikk man penger på bordet, og det er rett og slett slik at det tar svært mange år å bygge et sykehus. Det er helt riktig at man fortsatte å bygge på St. Olavs Hospital i denne perioden, men beslutningen var tatt fryktelig lenge før 2005 og under en helt annen regjering. Det er viktig, når man skal bruke Stortingets talerstol, at man prøver å forholde seg til fakta. Det andre jeg ønsker å ta ordet til, er nettopp framtidens helsevesen. I forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre har det er nettopp framtidens helsevesen. I forliket med Kristelig Folkeparti og Venstre har det også kommet inn noe helt annet viktig, nemlig at man ber om at det skal legges til rette for mer innovative innkjøp også i de regionale helseforetakene. I forlengelsen av det vi snakker om når det gjelder velferdsteknologi, har man fått lagt inn et eget forslag som handler om at man skal vurdere hvordan man kan bli flinkere til å gjøre innovative innkjøp i helsevesenet.

til glede for pasienten. Det tror jeg representanten er meget enig i. Representanten Tone Wilhelmsen Trøen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset oppad til 1 minutt. Representanten Otterstad nevner Trondheim, og mener at andre kommuner bør se til Trondheim når det gjelder å bygge ut sykehjemsplasser. I sommer var jeg St. Olavs Hospital sammen med en medrepresentant. Der ble vi fortalt at kommunen ikke tok hjem nok av de utskrivningsklare, ikke ferdigbehandlede pasientene, altså disse pasientene som skal ut i kommunen, ifølge Samhandlingsreformen som ble innført i forrige periode. Det er en rekke artikler i Adresseavisen de siste ukene som når det gjelder eldreomsorgen i Trondheim, så en viss ydmykhet fra representantens side kunne være på sin plass. Jeg vil f.eks. vise til Ullensaker kommune i Akershus, som ikke har noen eldre liggende på dobbeltrom, og som, etter det jeg har sett, leverer god eldreomsorg i en Fremskrittsparti–Høyre-styrt kommune. Representanten Audun Otterstad har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset oppad til 1 minutt.

Så til det siste, som kom fra Høyre, om sykehjemsplasser i Trondheim. Jeg er helt enig i at vi har utfordringer, men den saken representanten peker på, er vel at St. Olavs Hospital hadde sendt hjem en gammel dame for tidlig, slik at hun døde da hun kom hjem. Det er trist og svært beklagelig, men vi har kjempemuligheter for mange nye, store utviklingsprosjekter som vi kan samarbeide godt om framover. Representanten Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Da er Representanten Harald T. Nesvik har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Da er det vel håp om at man kan avslutte historieskrivingen. Jeg skal fatte meg i korthet og avslutte med en kommentar til representanten Otterstad. Det som skjedde, var at man mistet kontrollen med en del av utbyggingen. Man var nødt til å sette ned foten for å få fortgang og framgang i prosjektet innenfor de rammer som var man mistet kontrollen med en del av utbyggingen. Man var nødt til å sette ned foten for å få fortgang og framgang i prosjektet innenfor de rammer som var gitt. Hvis det var én ting som i begynnerfasen kjennetegnet byggingen av St. Olavs Hospital, var det nettopp de stadige overskridelser. Jeg tror første gang vi hadde dette til behandling her i Stortinget, skulle sykehuset koste under Jeg tror ikke at man trenger lang matematikkutdannelse for å skjønne at de tallene som man i dag opererer med knyttet til utbyggingen av St. Olavs Hospital, er av en helt annen størrelsesorden. Jeg tror det er viktig at vi leser hele historien, og ikke bare den historien noen har fortalt oss. Det var interessant å høre Per Olaf Lundteigen og

om når vi vil se nøye på hvordan ressursene brukes. Det er et ledelsesspørsmål. Det er ledelse vi snakker om når en ikke får til godt samarbeid og felles forståelse med dem som har skoene på. Det er derfor befriende å si at jeg er enig med Lundteigen: Mye kan bli bedre innen ledelse i offentlig sektor, mye kan bli bedre innen ledelse i norske mer nøye på hvordan pengene brukes, og ikke diskutere så mye hvor mye penger som brukes. Men at Stortinget skal beslutte at all ledelse av norske sykehus skal være stedlig – der stopper enigheten. Det er hyggelig at både representanten

Det vi altså ønsker, er at vi skal ha en ledelse hvor det er en bedre virkelighetsforståelse mellom ledere og den som er praktiker, at de som utfører jobben, vet best hvordan en skal takle situasjonen, innenfor avtalte rutiner, og at de som utfører jobben, får større ansvar og innflytelse – altså at de som står i situasjonen, blir de sentrale, og at det blir mindre detaljstyring. detaljstyring. Det er referert her til nasjonale mastodonter, det er referert til sentralisering. Ja, la nå det bli en diskusjon videre, la det bli en diskusjon om vi skal se på struktur, om nedleggelse av akuttmottak er svaret istedenfor å se på en bedre ledelse. Det er det gode møtet mellom pasient og behandler som trenger fagfolk som samhandler og samarbeider på stedet. Det jeg sa, var at stedlig ledelse var langt bedre enn det som brukes i mange helseforetak, nemlig klinikkledelse. Jeg er enig i det som er sagt her fra flere, om at det er avdelingslederen som er det sentrale. På store sjukehus, og på mindre sjukehus også, er avdelingslederen sjølsagt sentral, men det er den helhetlige ledelsen som til sjuende og sist er avgjørende – den helhetlige ledelsen som til sjuende og sist er avgjørende – den helhetlige ledelsen som sikrer den faglige kvaliteten, som sikrer budsjettansvaret, og som står for personalansvaret. Alle under sjukehusets tak bør ha en leder. Det gir fellesskap, det gir felles ansvar – kall det gjerne patriotisme eller stolthet over sitt sjukehus. Den som føler stolthet og patriotisme ved det en driver, yter gjerne bedre og tar større ansvar, også i det offentlige – derfor. Det er trist at regjeringa da kjører på denne linja med fritt behandlingsvalg og sentralisering av akuttfunksjoner istedenfor å satse på bedre ledelse og se på de gode forbildene. Regjeringspartienes Ørmen Johnsen og Wold burde spesielt ta for seg Ringerikes stemmer i møte med statsråden. Hvorfor det ikke skjer, viser at fritt behandlingsvalg er ideologisk motivert for Høyre og Fremskrittspartiet, for å gi private selskaper større markeder. Det er kostbart, men det er sant – enn så lenge. Sveinung Stensland har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

Det er det alt handler om, og det er god ledelse som skal til for å legge til rette for flere slike gode møter – kundemøter snakker de om noen steder, i helsevesenet heter det pasientmøter. Til slutt: Så sa jeg at enigheten stopper når det kommer til at en absolutt må ha en stedlig ledelse ved hvert enkelt sykehus. Det skal selvfølgelig være en ledelse ved sykehuset likevel, men når det gjelder akkurat det siste forslaget der, er vi ikke enige med Senterpartiet. Men jeg vil takke Lundteigen for at han setter ledelse i fokus, for det er en utfordring i alle deler av offentlig sektor. Vi trenger mer og bedre ledelse i alle deler av offentlig sektor. Da skal representanten Per Olaf Lundteigen få anledning til å gjengjelde den takken. Han har også hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

slik at ledelsen på det vesle sjukehuset er delt på flere. Da har ikke den flokken som jobber der, det fellesskapet som er nødvendig. Så har vi i mitt eget fylke et forbilde, Ringerike, hvor ledelsen får pris for beste lederskap. Mitt tankekors er: Hvorfor blir ikke det lederskapet tatt fram som et eksempel til bruk andre steder? Det er det som er poenget. Her er det mye å hente, og jeg håper at representanten Stensland vil diskutere dette videre, for her … Det må i så fall bli en annen gang, for nå er tiden ute. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 10 og 11. Etter ønske fra helse- og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

I dette Dokument 8-forslaget vert det føreslått at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføra DNA-analysar i straffesaker. Det har vore foreslått at rettsgenetiske oppgåver framleis skal utførast av offentlege aktørar, og at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan levera frå 10–25 pst. av dei analysane det er behov for. Det vert vidare føreslått at Rettsgenetisk senter vert lagt inn under Universitetet i Tromsø, slik at det vert eit uavhengig fagmiljø, og at samanhengen mellom forsking, utdanning og praktisk retta analysearbeid slik vert ivaretatt. Oppdraget til Rettsgenetisk senter skal framleis vera direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet med løyving over statsbudsjettet. Ein ber regjeringa leggja til rette for at det vert utvikla IKT-løysingar, slik at politiet og Kripos kan kommunisera med to separate leverandørar av rettsgenetiske tenester, altså Folkehelseinstituttet med Rettsmedisinsk institutt og Rettsgenetisk senter. Stortinget vedtok i 2008 å oppretta eit DNA-analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø som eit supplement til Rettsmedisinsk institutt i som eit supplement til Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Det førte til etablering av Rettsgenetisk senter, som i dag utfører forsking og kompetanseutvikling innanfor rettsgenetikk, men det vert ikkje utført analysar i forbindelse med straffesaker. Ei arbeidsgruppe nedsett av Helse- og omsorgsdepartementet leverte i september 2013 ein rapport, Organisering av rettsgenetiske tjenester i som skisserer fire moglege modellar for det rettsgenetiske arbeidet i Noreg. Tre av desse modellane inneber at Rettsgenetisk senter skal kunna føreta DNA-analysar av sporprøver som eit supplement til Rettsmedisinsk institutt ved Folkehelseinstituttet. Mange har tatt til orde for at Noreg treng eit miljø nummer to når det gjeld Den rettsmedisinske kommisjon har i sin rapport av september 2013 streka under at det er viktig at det i Noreg finst uavhengige, akkrediterte rettsgenetiske laboratorium med akademisk forankring som kan utføra DNA-analysar i straffesaker. Ein samla komité har i innstillinga streka under viktigheita av at det offentlege leverer DNA-analysar av høg kvalitet med dei behandlings- og svartidene som I innstillinga vert det vist til statsrådens brev til saka, der det vert slått fast at regjeringa vil opna for bruk av fleire akkrediterte leverandørar av DNA-analysar, også private aktørar. I innstillinga viser komiteen også til høyringsutspelet frå Rettsgenetisk senter, der dei påpeiker at senteret er akkreditert for og er godt rusta til å utføra DNA-analysar i straffesaker. Komiteens fleirtal, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre, stør ikkje forslaga til saka, mens medlemene frå Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stør nokre eller alle forslag som er fremja til saka. Senterpartiet vil gi ros til representantane frå Arbeidarpartiet, som har fremja eit svært viktig og svært representantforslag. Senterpartiet har òg vore sterkt engasjert i denne saka. Det finst etter vårt syn ingen argument for ikkje å gi Rettsgenetisk senter anledning til å utføra DNA-analysar for bruk i strafferettspleia. Senteret har fått akkreditering for å dei har allereie ansvar for utdanning og forsking, og analyseoppdrag vil vera heilt naturleg for eit senter som har ansvar for utdanning og forsking. Manglande IKT-løysingar vert brukte som eit argument. Ja, det trengst oppgraderingar, men eit positivt vedtak om Rettsgenetisk senter som leverandør av DNA-analysar, byggjer på føresetnader om at analysearbeidet startar opp når dei tekniske løysingane er på plass. Eg registrerer at det er med knappast mogleg fleirtal at Stortinget kjem til å stemma ned forslaga i saka, sidan Venstre vil stemma mot alle forslaga. Så er eg litt usikker på om eg skal fremja forslaga eller om det er Arbeidarpartiet som skal gjera det. Representanten Toppe kan godt ta opp forslagene. Då vil eg ta opp dei forslaga som

Stortinget bestemte at RGS skulle ha ansvar for forskning og utdanning samt være et supplerende miljø for DNA-analyser til bruk i strafferettspleien. I forbindelse med DNA-reformen fikk Politidirektoratet i oppdrag fra Justisdepartementet å ta ansvar for et fireårig DNA-prosjekt. Målet for prosjektet var å se på om utvidet mulighet for bruk av DNA i etterforskninga ville bidra til en mer effektiv etterforskning og oppklaring av flere saker. Evalueringa som kom i 2013, konkluderer med at DNA-reformen har hatt en klart positiv betydning for politi, påtalemyndighet og domstoler. Men man understreker også at det trengs økt analysekapasitet og bedre opplæring. Evalueringa viser store geografiske forskjeller: Oslo sender oftest inn anmodning om analyse mens Midtre Hålogaland sender sjeldnest. Da rettsmedisin i 2011 ble flyttet fra Justisdepartementets til Helsedepartementets budsjett,

ble RGS anbefalt som et nasjonalt miljø nummer to for å levere DNA-analyser. Dagens representantforslag om at RGS skal få utføre DNA-analyser for bruk i strafferettspleien, har lenge hatt flertall både i Stortinget og i de rettsmedisinske miljøene. I tillegg til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har både Venstre og

Man viser i den forbindelse rørende omsorg for et privat firma i Stavanger, som sikkert kan bestå av bra folk, men som ikke er i nærheten av å ha den kapasitet eller brede kompetanse som RGS i Tromsø har. Det er også slik at en privatisering av analyseoppgavene kan bety at oppdraget må ut på anbud i hele EØS-området. Hvordan skal man da kunne være sikker på at det biologiske materialet håndteres slik vi i Norge ønsker? DNA er sensitiv informasjon om den enkelte og må håndteres med største grad av sikkerhet. Regjeringspartiene bedyrer at RGS i Tromsø også skal vurderes som leverandør av DNA-analyser, men da blir spørsmålet: Hvor mange rettsgenetiske miljøer trenger vi egentlig? Skal RGS drives ut på anbudsmarkedet for å få oppdrag?

Vi er opptatt av å få flere aktører til å utføre slike analyser på oppdrag fra politiet og er tilfreds med at regjeringen er i prosess for å få til dette. Det har lenge vært vår politikk å legge til rette for bruk av rettsgenetiske analyser fra flere laboratoriemiljøer. Vi ønsker imidlertid ikke å gjøre et kategorisk skille mellom offentlige og private leverandører, så lenge laboratoriene er akkrediterte. Høyre har jobbet i flere år for at flere analyseinstitutt skal kunne bidra for å få oppklart flere saker raskere. Her har nok Arbeiderpartiet snudd i nok en sak. I statsbudsjettet for 2013 fremkom det at miljøet i Tromsø ikke skulle bygges opp som en produsent av analysetjenester. Den rød-grønne regjeringen sa senest i 2012 at Folkehelseinstituttet hadde god nok kapasitet til å ta seg av DNA-analyser. Vi mener at det er svært viktig å ivareta rettssikkerheten Analyse av DNA er håndtering av sensitiv og personlig informasjon om enkeltmennesker. Arbeidet for å få flere akkrediterte leverandører må derfor gjennomføres på en sånn måte at rettssikkerheten og personvernet ivaretas. Justis- og beredskapsministeren har nylig mottatt en konseptutredning fra Politidirektoratet om tilrettelegging av ved bruk av flere leverandører av DNA-analyser i straffesaker. Jeg er kjent med at helseministeren, i samarbeid med justis- og beredskapsministeren, skal gjennomgå alternativene og legge en plan for videre arbeid. For oss spiller det mindre rolle hvor og av hvem sånne prøver analyseres, så lenge det skjer på en sikker måte med tanke på rettsvern, personvern og analysesikkerhet. Det blir galt å binde seg opp til enkeltinstitusjoner eller til hva slags eierskap laboratoriene har i denne sammenheng. Det må være objektive kriterier som ligger til grunn. I utgangspunktet må jeg bare si at jeg er fullt ut enig med representanten

og at informasjonen som blir gitt og analysen som vi foretar oss, skjer på en slik måte at det er hevet over enhver tvil at disse tingene er gjort på en skikkelig og god måte. Da kan det ikke være slik at vi her i dag lager en debatt av på hvilket sted dette skal skje. Det må skje, som også representanten Stensland var inne på, etter objektive kriterier, der man går inn og ser på hvilke hvilke analyser, hvilke muligheter har man, og at man ikke legger seg opp i om det er offentlig eller privat, for det er, for meg i hvert fall, revnende likegyldig, for å si det på godt sunnmørsk. Det er også interessant å merke seg Arbeiderpartiets engasjement også i denne saken. Mens man uttalte seg veldig bra og veldig

fordi enkelte er veldig opphengt i et spesifikt sted. Stortinget vedtok i 2008 DNA-analyseinstituttet ved Universitetet i Tromsø, som et supplement til Rettsmedisinsk institutt i Oslo. I dag driver dette senteret forskning og kompetanseutvikling innen rettsgenetikk, men de kan altså ikke analysere – de får ikke lov å analysere – selv om de har både folk og maskiner. For en regjering som er opptatt av effektivisering, er det litt merkelig – når en har både folket og maskinene, men en ikke får lov. Så vet også jeg at det er snakk om et Det må på plass, uansett hvem som skal ha det anbudet eller få gjøre den jobben. I september i 2013 ble det levert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet av en arbeidsgruppe som skulle se på organisering av rettsgenetiske tjenester i vårt land, med strafferettslig sammenheng. Der skisserer de fire ulike modeller, hvor Tromsø er nevnt i tre av disse hvor Tromsø er nevnt i tre av disse – at Tromsø skal kunne foreta DNA-analyser av sporprøver, som et supplement til Folkehelseinstituttet. Det er mange som har tatt til orde for å få et større miljø til DNA-analyser. Her står altså utstyret og folkene som trengs, men vi kan ikke bruke Når det er kø for å få lov til å analysere, det er lang ventetid, hvorfor bruker vi ikke da de mulighetene som er til stede? Så utelukker jeg ikke det at vi i tillegg faktisk kan ha bruk for private aktører på dette området. Derfor støtter Kristelig Folkeparti forslagene 1–4. Det rettsgenetiske sakkyndigarbeidet må være av høy faglig kvalitet basert på robuste og uomtvistelige analyser. Jeg er derfor

Norge trenger flere miljøer innenfor rettsgenetikken, og vi trenger også flere miljøer som utfører DNA-analyser. Det er sårbart at slike analyser bare gjennomføres ett sted, slik tilfellet er i dag i hovedsak. I Den rettsmedisinske kommisjonens rapport fra 2013 understrekes også viktigheten av at det i Norge finnes uavhengige, akkrediterte rettsgenetiske laboratorier med akademisk forankring som kan utføre DNA-reformen har medført en betraktelig økning i antall sporprøver fra politiet. Etter lang tid med lang saksbehandlingstid ser en i tredje kvartal i år en forbedring i saksbehandlingstida. Vi har det derfor per i dag ikke travelt. Det er nå vi har anledning til å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan arbeidet med rettsgenetiske tjenester hensiktsmessig kan organiseres, både faglig, økonomisk og rent praktisk, før en fatter beslutninger om hvilke aktører som får anledning til å utføre analysene. Analyse av DNA innebærer håndtering av sensitiv og personlig informasjon om enkeltmennesker. Det er derfor viktig at rettssikkerheten og personvernet ivaretas. Før en åpner for flere leverandører av DNA-analyser i straffesaker, er Venstre opptatt av at det tilrettelegges for sikker kommunikasjon og forvaltning av informasjon. god grunn til å avvente Politidirektoratets nylige konseptutredning knyttet til dette og oppfølging av denne både i Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. For Venstre er det viktig at vi har gode offentlige fagmiljøer innen rettsgenetikk, og vi mener både Folkehelseinstituttet og Rettsgenetisk senter er viktige og nødvendige fagmiljøer på området. Vi mener imidlertid ikke at det er grunnlag for å avvise enhver supplering av tilbudet fra private aktører som har faglig kapasitet til å levere tjenester på området. Svaret er Svaret er private aktører, men hva er spørsmålet? Slik er det ofte å forholde seg til denne regjeringen. Vi ser også i denne saken at en er på utkikk etter og ser om en kan skape en eller annen form for nytt marked for private tjenester. Det er en ærlig sak å være overbevist, men det er klokt å sjekke hva man har i kjøkkenskapet, før man går ut for å kjøpe nye ingredienser. I denne saken mener jeg det er godt dokumentert gjennom prosessen at her finnes det et oppegående miljø med tilstrekkelig kompetanse. Det er gjort en grundig jobb for å kartlegge ulike alternativer, og det synes åpenbart at det vil være et trygt valg å gi denne typen kompetanseoppgaver til Rettsgenetisk senter i Tromsø. Det vil være klokt for å ta vare på et kompetansemiljø som det allerede er investert i. Denne saken retter oppmerksomheten mot et annet ganske systematisk trekk ved den blå regjeringen, og det er nedprioriteringen av Nord-Norge, som kommer tapende ut når Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer i sak etter sak, på felt etter felt. Jeg er helt sikker på at det er noe folk både i Tromsø og i resten av Nord-Norge nå begynner å merke seg veldig, veldig godt. Argumentene er godt framført av representantene Toppe og Knutsen, og SV vil stemme for samtlige av de forslagene som er framsatt. Det er

Jeg er derfor glad for at flertallet i komiteen er innstilt på endring, uavhengig av om leverandøren er privat eller offentlig. Som helse og omsorgsminister har jeg det overordnede ansvaret for at underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet leverer tjenester med høy kvalitet, og jeg stiller derfor krav til virksomheten ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det gleder meg å se at komiteens flertall har merket seg at instituttets innsats gir resultater. Som kjent er instituttets virksomhet på dette feltet mer enn rutiner knyttet til DNA-analyser. Folkehelseinstituttet gir også råd og veiledning for optimal sikring og forsendelse av prøver, og driver forskning på områder som er nært knyttet til rutinevirksomheten. Jeg stiller meg derfor undrende til at komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV understreker at det er allmenn enighet om at Rettsgenetisk senter skal ha det nasjonale ansvaret for forskning og utdanning på det rettgenetiske feltet, spesielt sett i lys av den omfattende realkompetansen som Folkehelseinstituttet har innen rettsgenetisk arbeid. Som forslagsstillerne viser til, innebærer arbeidet med DNA-analyser håndtering av sensitiv og personlig informasjon om enkeltmennesker. Jeg er derfor opptatt av at arbeidet med å åpne for flere akkrediterte leverandører må gjennomføres på en slik måte at de involverte partenes rettssikkerhet og personvern ivaretas på best mulig måte. Jeg merker meg at flertallet i komiteen deler mitt syn på dette. Dette sikrer vi best ved at det til enhver tid finnes tilstrekkelig analysekapasitet, og at man tilrettelegger for sikker kommunikasjon og forvaltning av informasjon fra flere leverandører. Som nevnt i mitt brev av 5. september 2014 til komiteen har allerede åpnet for at politidistriktene kan bruke andre akkrediterte leverandører i enkelttilfeller, der de mener det er mest hensiktsmessig. Men dagens elektroniske samhandlingssystem begrenser som kjent muligheten for å utveksle sikker informasjon mellom andre enn Folkehelseinstituttet, Kripos og politiet. Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag av justis- og beredskapsministeren å utrede ulike konsepter for tilrettelegging av sikker kommunikasjon og forvaltning av informasjon ved bruk av flere leverandører av DNA-analyser i straffesaker. Utredningen er nylig overlevert Justis- og beredskapsdepartementet, og jeg er gjort kjent med at Politidirektoratet har identifisert seks alternativer. I tillegg til nullalternativet er det fire alternativer som skilles ved at leverandørene har forskjellige roller og ansvar. Nå vil jeg i samarbeid med justis- og beredskapsministeren gjennomgå alternativene og legge en plan for det videre arbeidet. Jeg setter derfor pris på at komiteens flertall ønsker å avvente spørsmålet om hvorvidt Rettsgenetisk senter kan utføre DNA-analyser til det er gjort en nærmere vurdering av alternativer, logistikkløsninger og

åpnes for replikkordskifte. Rettsgenetisk senter i Tromsø er akkreditert og klar til å gjøre DNA-analyser for bruk i straffesaker. Senteret har kompetente fagfolk, de skal utdanne rettsmedisinere og forskere på feltet. Et moderne laboratorium for DNA-analyse står klart og kan tas i bruk straks. Det vil bidra til å korte ned responstida og øke kapasiteten, slik at det kan tas flere prøver enn i dag. Under høringen i Stortinget understreket representanter for Rettsgenetisk senter at det praktiske analysearbeidet er avgjørende viktig også for senterets oppdrag med utdanning og forskning. vil helseministeren sørge for at miljøet ved Rettsgenetisk senter prioriteres foran kommersielle aktører med hensyn til å foreta DNA-analyser? Jeg forholder meg til regjeringsplattformen, der vi ikke skiller mellom private og offentlige aktører på dette området. Det som jo er vesentlig, er at en er kvalitetskravene som stilles, og at en kan ha sikker kommunikasjon med Kripos og politiet for øvrig. Det har vi nå fått utredet ulike konsepter for, og justisministeren og jeg vil følge opp dette i det videre arbeidet. Men justisministeren har allerede gitt beskjed til politidistriktene om at de kan bruke akkrediterte miljøer hvis de har behov for å bruke andre enn

Eller vil han også gå til EØS-området for å få gjort disse tjenestene? Hva tenker ministeren om det? Det er bred enighet om at det er behov for flere miljøer i Norge – det betyr flere enn ett, det kan også bety flere enn to. Det viktigste er at en har de kvalitetskravene som er. Dette er undersøkelser som gjøres i et stort volum, og en må da ha sikker kommunikasjon med Politidirektoratet og Kripos. Det er også andre krevende rettsundersøkelser som foretas andre steder enn i Norge på oppdrag av det norske politi, men det er mer unntaket. Det er investert betydelig i miljøet i Tromsø. Det

Det er riktig som en del representanter har sagt, at i en periode, 2010/2011, var det ulike syn på om vi trenger mer enn ett rettsgenetisk miljø i Norge. Det var stor uenighet i de rettsmedisinske miljøene sjøl, og det var slik at det slo inn også politisk. Så er det ikke riktig, som representanten Nesvik sier, at det ikke ble tatt initiativ i budsjettet i 2013 overfor Rettsgenetisk senter. Det var faktisk slik at det rød-grønne flertallet på Stortinget i budsjettbehandlinga bestemte både å doble budsjettet til Rettsgenetisk senter og å be om at det ble gjort en utredning for å se på hvordan man kunne bruke de totale rettsgenetiske ressursene man hadde i Tromsø og i Oslo. Det var det Jonas Gahr Støre satte ned et partssammensatt utvalg for å få til, bruke de totale rettsgenetiske ressursene man hadde i Tromsø og i Oslo. Det var det Jonas Gahr Støre satte ned et partssammensatt utvalg for å få til, og man konkluderte med at i tre av fire foreslåtte modeller skulle Rettsgenetisk senter inn som en analysepart nummer to. Jeg tror helseministeren tar litt feil når han sier at det ikke er enighet om dette. Dette har hele det rettsmedisinske og rettsgenetiske miljøet – i alle fall det store gjennom det arbeidet vi har gjort i Stortinget, er flertall i Stortinget for at Rettsgenetisk senter i Tromsø skal være et miljø nummer to. Da er det ikke flertall for at det kun skal være offentlig – det er det ikke – men for at det skal være et veldig sentralt miljø, og at man eventuelt kan supplere hvis man får behov for flere slike tjenester. Jeg reagerer litt på at man snakker om objektivitet, og at det egentlig bare handler om å bestille noen DNA-analyser. Det er et bredt sammensatt kompetent akademisk miljø vi har i Tromsø, som skal forske, som skal utdanne rettsmedisinere, og som skal ha et tredje bein å stå på, som er den praktiske analyseoppgaven. De tre tingene henger sammen for at vi skal ha det akademiske miljøet som vi trenger i Norge for å forske, utdanne og gjøre analyser. Jeg må virkelig si at jeg undrer meg over at ikke regjeringa og helseministeren ser hvor viktig det er at denne sammen. Så må helseministeren gjerne mene at vi bør ha andre kommersielle som måtte være akkreditert. Så vidt jeg vet, er det bare ett lite miljø som er akkreditert så langt – og gjerne det – men hvorfor ikke forstå og skjønne at man må satse på dette akademiske miljøet som vi har i Tromsø, og som kan stå i fare for å forvitre hvis det ikke blir tatt vare på. Det har regjeringa et ansvar for. Jeg vet ikke om jeg har uttalt meg uklart, eller hva som er

Der har vi et arbeid som er på gang, og som vi nå har fått ulike konsepter for som vi skal vurdere. Det som jeg reagerer på i innstillingen, er en merknad fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV om at «det er allmenn enighet om at RGS skal ha det nasjonale ansvaret for forskning og utdanning på det rettsgenetiske feltet». Det oppfatter jeg ikke at det har vært gitt uttrykk for. At de kan ha en rolle, er noe annet, men at de kan ha det nasjonale ansvaret på dette området,

Det er viktig å skape et mangfold, og det er ingenting her som sier at Rettsgenetisk senter i Tromsø ikke også skal få drive med DNA-analyser. Dette er en debatt en må se over et litt lengre perspektiv. Jeg ser fortsatt store muligheter for denne virksomheten. Jeg synes det er bra at vi fordeler og har flere miljøer som utfordrer de etiske utfordringene knyttet til et svært krevende og avansert fagområde, slik at det ikke skapes uheldige monopoler i denne virksomheten. Det styrker også muligheten for å ha private aktører. Det er også et felt hvor en har samarbeid – som statsråden var inne på – med andre land, som gjør noen av de aller mest avanserte undersøkelsene og bistår Kripos bl.a. med det. Så jeg tror at dette er en virksomhet som kommer til å øke i tida framover, med den digitale utviklingen vi ser, og at alle de norske miljøene har en tydelig mulighet for vekst. Tove Karoline Knutsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
da Rettsgenetisk senter ble opprettet, var det bred enighet om – det ble besluttet i Stortinget – at Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø skulle ha det nasjonale ansvaret for utdanning av rettsmedisinere og for rettsmedisinsk forskning. Universitetsmiljøene var bredt inne i den beslutningen. Jeg har sett uttalelsene fra bl.a. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Jeg kan ikke minnes at det har skjedd noen endring i akkurat det, så hvis ikke den nåværende regjering har bestemt seg for at det ikke skal være slik, ble det altså besluttet i 2009, ved opprettelsen av Rettsgenetisk senter, at der skulle det nasjonale ansvaret for rettsmedisinsk utdanning og forskning ligge. Og det har vært gjentatt, meg bekjent, i alle budsjettene deretter.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

Forslagene i proposisjonen er ledd i oppfølgingen av en avgjørelse fra ESA, EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen. På bakgrunn av to klager har ESA i en avgjørelse av 12. mars 2014 slått fast at finansieringen av tannhelsetjenester som fylkeskommunen tilbyr voksne mot betaling, innebærer offentlig støtte som ikke er forenlig med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Flertallet i komiteen, bestående av alle partier utenom Senterpartiet og SV, er enig med regjeringen i at forslagene til endringer bringer regelverket for det offentlige tannhelsetilbudet i bedre samsvar med EØS-avtalen, og at forslagene tydeliggjør fylkeskommunens ansvar for å sikre at tjenesteytingen er i tråd med statsstøttereglene. Komiteen er enstemmig når det gjelder endring av lovens § 2-2, mens komiteens tilråding til endringer av §§ 1-3 og fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

riktig å akseptere at EØS-avtalen skal regulere. Den gangen Norge inngikk EØS-avtalen, var det ikke et aktuelt tema i den offentlige debatt at avtalen skulle gå så langt i å regulere offentlige velferdstjenester og helsetjenester som det vi nå ser at avtalen gjør. Våre to partier er sterkt bekymret for en utvikling der EØS-avtalen i større og større grad griper inn i det vi mener er politiske anliggender knyttet til utformingen av den norske velferdsstaten og de norske helsetjenestene. Den andre grunnen er en praktisk politisk prioritering. SV jobber for at vi etter hvert skal få en tannhelsereform som i større grad skal legge tannhelsetjenesten inn under den ordinære helsetjenesten, sørge for at det blir et egenandelstak på tannhelsetjenester, og at tannhelsetjenesten blir mer lik helsetjenesten for øvrig. En sånn reform vil forutsette prisregulering av tannhelsetjenester, og vi frykter at den anerkjennelsen som Stortinget nå gir av EØS-avtalens relevans på dette området, kan hindre viktige politiske forbedringer i vår egen tannhelsetjeneste i framtiden. Senterpartiet ønsker også at tannhelsetjenesten i større grad skal bli en integrert del av den offentlige helsetjenesten. Derfor kommer Senterpartiet og SV til å stemme mot de endringene som følger av ESAs avgjørelse. Det er altså ikke alt som ligger i dette forslaget. I praksis betyr det at gruppene til Senterpartiet og SV vil stemme

Dette innebærer at fylkeskommunene må føre atskilte regnskaper for de ulike delene av tannhelsevirksomheten. I tillegg innebærer lovforslagene en klargjøring av fylkeskommunens ansvar for å sørge for et offentlig tannhelsetilbud til voksne i distrikter hvor det er mangel på private tjenesteytere. Forslagene legger til rette for at det i tynt befolkede utkantområder fortsatt vil være slik at fylkeskommunen skal ha anledning til å subsidiere tannhelsetjenester til voksne betalende pasienter. I slike områder kan fylkeskommunen selv bestemme om det skal gis subsidier, og eventuelt fastsette størrelsen på disse. Det må imidlertid ikke skje noen form for overkompensasjon. Det vil i forskrift bli fastsatt enkelte kriterier som fylkeskommunen særlig skal legge vekt på ved vurderingen av i hvilke geografiske områder det kan ytes subsidierte tjenester. Forslagene er utformet som fullmaktsbestemmelser. Et forslag til forskrift har vært på høring sammen med lovforslagene, og vil bli fastsatt så snart Stortinget har vedtatt lovforslagene. Forslagene er med andre ord ikke til hinder for at fylkeskommunen fortsatt kan ta samme priser for tannbehandling i utkantområder som i sentrale strøk. Det er derfor ikke grunn til å frykte et redusert eller dyrere offentlig tjenestetilbud I områder med et fungerende marked for tannhelsetjenester opptrer fylkeskommunen derimot som en vanlig markedsaktør. Denne delen av virksomheten kan ikke motta offentlig støtte. Stortingets lovvedtak gjør det mulig å fastsette forskriften slik at det samlede regelverket kan tre i kraft 1. januar 2015. Det vil være en stor fordel for fylkeskommunene at innføringen av krav til separat regnskapsføring følger

er lang

Det var

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Dag Terje Andersen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

forslag nr. 26, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 27 og 28, fra Torgeir Micaelsen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 29–35, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 36–39, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 40–46, fra Audun Lysbakken på vegne av